avgiftene og kostnadene for sjøtransport. Det å skapa betre lønsemd for industrien skapar igjen større interesse og betre omdømme blant investorar. Her har nok Arbeiderpartiet sjølv også bidratt til ein svikt. Me kan merkja oss at regjeringa også på dette området har arbeidd både målretta og systematisk slik at skipsfarten kan verta meir konkurransedyktig.

plassering. Det er ei retning som ikkje er god, men vi er blant dei 20 beste, og det skal vi vere glade for. Det gir oss iallfall ei moglegheit til framleis å kunne vere i denne viktige bransjen. Grunnen til dette er faktisk at ein i for stor grad har latt miljøinteressene fått presentere scenario som ikkje stemmer med og gir eit bilde av ein politisk risiko som påverkar Noregs omdømme som mineralnasjon, og kanskje særleg for investorar, som føler at investeringane er å sjå på som svært usikre. Spesielt har sjødeponiet vore politisk diskutert og blitt beskrive svært negativt, som om ein øydelegg alt liv i fjorden – Førdefjorden er blitt eit eksempel på ein slik påstand. Trass stor og detaljert kartlegging og eit betydeleg forarbeid med fokus på der Miljødirektoratet set klare krav og ikkje minst sterke krav med omsyn til utsleppa, lever desse påstandane vidare. Alternativet vi har, er landdeponi, der vi har erfaring bl.a. frå Røros: «Fra et miljøperspektiv er Røros et eksempel på hvordan det ikke skal gjøres, sier Rolf Arne Kleiv, professor i mineralteknikk ved NTNU.» Avrenning frå landdeponiet, som er verna, fører ei sur og tungmetallhaldig avrenning til Glomma, der kopariona er øydeleggjande for egg og fiskeyngel. For Engebøfjellet og Førdefjorden er sjødeponi den beste løysinga. Den konklusjonen er basert på mineral og metallar som skal utvinnast, produksjonsprosess, kjemikaliar som blir brukte. Til slutt blir dette målt opp mot dei strengaste miljøkrav. Det viser at ein evner å sjå den enkelte utvinningsstaden på ein slik måte at ein vel den prosessen og den deponiløysinga som er miljømessig forsvarleg. Så eit nytt sitat: «Kjemisk sett er det fordeler med at overskuddsmassene blir liggende i saltvann hvor det er lite oksygen og stabil pH-verdi. Hvis du skal deponere masser som inneholder sulfider, Så til spørsmålet om vi eigentleg treng drifta i Engebøfjellet. Mineralet som skal utvinnast, er rutil, som er samansett av titan og oksygen, og er eit svært viktig mineral. Titan blir brukt i flyindustrien, i romfartsindustrien, til å lage kunstige hoftekular, kne og andre kroppsdelar som vi som eit velferdssamfunn er svært avhengige av. av. Skal ikkje vi ta vårt ansvar som forbrukarar og stå for ei gruvedrift av materiale som vi er svært avhengige av, men overlate det til andre land med heilt andre og dårlegare miljøkrav enn våre? Rutil er vi avhengige av i mange produkt, som måling, mat, medisinar, tannkrem osv., og vi har som nasjon eit sjølvstendig forsyningsansvar. Vi har med andre ord også eit moralsk ansvar for å ta i bruk dei naturgitte ressursane som finst, og det under eit regime med strenge, men føreseielege miljøkrav, slik at både industrien og investorar kan føle seg trygge på at satsing på mineralnæringa er trygg og føreseieleg, når ein etterlever dei konsesjonskrava som er bestemde. Nordic Mining er eit selskap som har venta lenge på konsesjon frå regjeringa, også den raud-grøne. Om vi kan gå ut frå at Arbeidarpartiet er føreseieleg og unngår politisk spel, men går for gode prosjekt for næringa, vil ho ha ei stor framtid. Noreg er eit land med store mineralførekomstar, og med nokre av verdas strengaste miljøkrav har vi alle føresetnader for å kunne løfte denne næringa i tråd med verdas behov for mineral, og det på ein berekraftig måte. Mineralnæringa vil bidra til

men det er også sånn at det medfører noen dilemmaer å ha en mineralnæring. Det er en ikke-fornybar ressurs, og det er klart at mange av de prosjektene vi har, innebærer store naturinngrep. Det gjør det både der ressursene hentes ut, og ved deponeringene av avfallet. Det har vært nevnt tidligere – nå ønsker riktig nok interpellanten ikke å ha en diskusjon om Førdefjorden og Repparfjorden, som er de aktuelle sakene nå, men det må allikevel nevnes. Norge er et av ytterst få land som fortsatt driver med sjødeponering av gruveavfall. I Førdefjorden er det snakk om at en får en fylling av fjorden, ikke at den legges permanent død. Men det er 3 km2 hvor man fyller opp med 150 m masse. Det er klart at det vil endre grunnforholdene i fjorden, og det vil i årene framover endre dette varig. I varig. I Repparfjorden er det tilsvarende en problemstilling med strømforholdene som er der, om massene i det hele tatt vil bli liggende innenfor den reguleringsplanen som faktisk er lagt. Dette handler ikke bare om disse enkeltsakene. Det handler også om hvilket regelverk vi har for å håndtere de deponiene vi har, når aktiviteten tar slutt. slutt. Det kan, som det er nevnt tidligere, være dårlige priser på en del mineraler akkurat nå, bl.a. som det har vært på jern. Og man må se på, dersom aktiviteten f.eks. i igjen skulle ta slutt, om det da er bygget opp nødvendige oppryddingsfond for å ta seg av deponiene i etterkant. Det mener jeg er et ansvar som vi i fellesskap har, å sørge for at vi også innenfor mineralnæringen har de nødvendige ressursene for å ivareta de problemene som måtte være der når aktiviteten opphører. Det er klart det er viktig å ha generelt strenge miljøkrav på dette feltet – som vi er stolte av at vi har innenfor oljenæringen – og Norge må ta mål av seg å ha de strengeste miljøkravene internasjonalt. Jeg synes også, til sammenlikning med oljenæringen, vi må se på om vi sørger for at nok innenfor de mineralressursene vi har, blir igjen i landet. Bør vi også på dette feltet ha en naturressursskatt som sørger for at det faktisk blir nok verdier igjen i Norge? Mineraler er en ikke-fornybar ressurs. Internasjonalt er det riktig at vi – også innenfor det grønne skiftet – har en ikke-fornybar ressurs. Internasjonalt er det riktig at vi – også innenfor det grønne skiftet – har behov for mange nye mineraler og metaller i forbindelse med nye produkter, som el-biler, som også er den nye grønne næringen. Men det er også en kjensgjerning at vi står overfor en internasjonal ressursknapphet som gjør at vi må tenke hele økonomien annerledes. Det må vi gjøre, og det må vi gjøre internasjonalt, slik at vi utnytter ressursene bedre. Vi må gå fra en lineær økonomi til en mer sirkulær økonomi, der vi får gjenbruk av de metallene og mineralene som vi henter opp. Da må vi også se på den teknologien vi i dag har. Hvis regjeringen f.eks. går hele veien og gir oss en utslippstillatelse – nå ligger det et forslag til Stortinget om at vi Hvis regjeringen f.eks. går hele veien og gir oss en utslippstillatelse – nå ligger det et forslag til Stortinget om at vi ikke skal gjøre det i Repparfjorden – er vi teknologisk så godt rustet at vi mener det er riktig å deponere avgangsmassene i Repparfjorden? Det er klart at en stor del ressurser også vil bli deponert i fjorden. Det er vel anslått at 1 400 tonn kobber hvert år vil være en del av sjødeponiet. Det er 588 tonn krom, og det er 240 tonn nikkel. Dersom man tillater at dette deponeres, vil det også gi mindre muligheter i framtiden til å hente ut mer av ressursen etter hvert som man får en teknologisk utvikling. Fra Venstres side mener vi at dersom det er nødvendig med sjødeponi, både i Førdefjorden og i Repparfjorden, viser det at dette fortsatt ikke er modne prosjekter.

og det er bra at statsråden nå følger opp denne strategien. Men kanskje trengs det enda tydeligere signal, ut ifra den takt og tone som foregår i utviklingen i næringen. Her må man henge på. Skal man bygge opp under vekstpotensialet som er i mineralnæringen, er det viktig å ha dialog med mineralnæringen, er det viktig å ha dialog med næringen, og det er viktig å ha en aktiv næringspolitikk som bygger opp under en sånn type næringsutvikling. Store investeringer skal gjøres når man enten skal starte helt på scratch i en sånn type prosjekt eller utvikle eksisterende anlegg. Dette krever forutsigbarhet i rammebetingelsene og store økonomiske investeringer. Hvis man går inn i en saksbehandling som gir usikkerhet

år. Hvordan skal vi ta lærdom av det som har skjedd der når det gjelder saksbehandling, og hvordan har man kommet fram til de utredningene man har? Jeg tror vi får en diskusjon framover når det gjelder sjødeponi og landdeponi. Men hvorfor ikke ta denne type konsekvensutredninger i starten, om både landdeponi og sjødeponi, sånn at man har det faktagrunnlaget som trengs, som man uansett må komme med i løpet av saksbehandlingen, og legge opp til en rask og kunnskapsbasert saksbehandling? Dette blir viktig framover.

trenger nye inn i denne næringen. Vi trenger å være offensive når det gjelder rekruttering. Jeg tror at miljøfokuset som vi har nå, den teknologiske utviklingen av dette og nye forskningsprosjekter vil være med å bidra til at flere ønsker seg inn i næringen fordi man ser et potensial, man ser at det er en spennende

litt om innkjøpsordningen når det gjelder dagens innkjøpsregelverk: Det er viktig å åpne opp for å ivareta det kulturpolitiske aspektet ved å bruke norsk stein til signalbygg. Dagens regelverk sier kanskje mer om selve innkjøpsprosessen enn om hva som skal kjøpes. Er det mulig, når vi nå diskuterer offentlige anskaffelser ellers, næringsminister, kanskje også å se på hvordan man kan rette trykket overfor bl.a. Statsbygg, når det gjelder hva man gjør av bestillinger når man skal ha denne type

og det er ikkje høg pris for tida. Det er låge metallprisar som no gjer at investorar skyr unna mineralleiting. For litt over eit år sidan bestemte gruveselskapet Store Norske seg for å leggje ned dotterselskapet sitt, Store Norske Gull. Selskapet hadde drive med gulleiting i Finnmark, Troms og men på grunn av økonomiske utfordringar med koldrift på Svalbard, som vi har diskutert i denne salen tidlegare, valde dei å leggje ned kolselskapet og leggje det ut for sal, men ingen ville kjøpe det. Han som var dagleg leiar i selskapet, Morten Often, uttalte da: – Det er låge metallprisar for tida, og det er ein del vanskar med å få sett i gang prosjekt. Derfor er investeringsviljen i denne typen verksemd ikkje spesielt god for tida. Ifølgje bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri er ikkje Store Norske Gull eit enkeltståande tilfelle. Dei får ei rekkje tilbakemeldingar om lunken interesse for å investere i nettopp mineralbransjen. Låge metallprisar over tid blir trekt fram som hovudforklaringa, ifølgje Norsk Bergindustri. Dette biletet, med låge prisar og få som ønskjer å investere, rimar svært dårleg med enkelte politikarar si framstilling av mineralnæringa som Noregs framtid, og da spesielt Nord-Noregs framtid. Pådrivarane har slett ikkje teke høgd for at dette er næringar som er sårbare for prisendringar. Biletet enkelte teiknar av mineralbransjen som ei stor framtidsnæring, er etter mi meining ei stor avsporing. Bransjen slit med å finansiere mineralleiting. Låge metallprisar er årsaka. Det viser at mineralprosjekt berre er liv laga i Noreg når prisane er svært høge, og eg vil seie at den førre og den noverande regjeringa si satsing på mineralnæringa skjedde på eit utruleg tynt grunnlag. Ein tok utgangspunkt i dei høge prisane i eitt år, i 2011, og så rekna ein med at det kom til å Men går ein berre nokre år fram, ser ein at prisane er heilt annleis no enn dei var i 2011. Så er spørsmålet: Er det å samle mange stortingspolitikarar til diskusjon om gruvenæringa eit uttrykk for at dette er ei viktig næring for Noreg å satse tungt på framover? Eg trur ikkje det. Dette er ei næring som gjev svært lite igjen, på grunn av svært gunstige rammevilkår, på grunn av den situasjonen dei er i internasjonalt. Svært lite av verdiar blir lagde igjen lokalt. Svært lite av verdiar blir lagde igjen i landet. Og svært mange av dei som jobbar i denne industrien, er utlendingar som ofte flyr inn og flyr ut. 50 pst. av dei som jobbar i gruva i Kirkenes flyr inn og ut, dei er ikkje busette der eingong. Dette er plattformsamfunn vi er i ferd med å utvikle, der lite av verdiar blir lagde igjen i lokalsamfunna. Ein må sjå igjennom heile ramma for denne næringa, ikkje nødvendigvis berre for å gjere det meir lukrativt for Noreg å ha desse næringane her, men rett og slett for å sjå korleis vi kan klare å sikre at det blir varige arbeidsplassar, varige verdiar, som blir lagde igjen i lokalsamfunna. Og dette er ikkje noko som går ut over miljøet, med tanke på dei diskusjonane vi har rundt det. Kva kan vere ein interessant mineralstrategi for Noreg i så fall? I Japan har dei starta eit prosjekt som heiter Urban Mining. Det var på grunn av kinesarane sin marknadsposisjon i mineralnæringa – posisjonen når det gjeld mineral på verdsmarknaden. På grunn av konflikten omkring desse øyene som er mellom Japan og Kina når det gjeld sjeldne mineral, ville dei halde dette tilbake frå Japan – eit land utan særleg mykje mineral sjølv, bygd på vulkanar. Da begynte Japan med det dei kalla «urban mining». «Urban mining» handlar om å utnytte dei eksisterande minerala som finst i søpla i byane, og dei fann ut det faktisk var meir mineral der enn dei ville kunne finne og utvinne på tradisjonelt vis ved å gå laus på eit fjell. Urban mineraldrift kan også vere interessant for Noreg – eit land som har andre omsyn å ta, og andre næringar som er vel så interessante og burde fortene merksemd frå fleire stortingsrepresentantar enn

deler ikke representanten Fylkesnes’ syn på at dette ikke også er en viktig framtidsnæring for Norge. Som representanten Helga Pedersen var inne på, må også Norge ta sin del av ansvaret når det gjelder miljøet. Verden vil trenge disse ressursene framover. Til Trellevik vil jeg bare si at den referansen jeg viste til og synspunktet i forhold til Frasers statistikk, er et uttrykk for det næringen selv har kommet med av bekymringer. Jeg tror også vi skal ta inn over oss at vi gjør tiltak som kan være med og fremme denne viktige næringen framover. Derfor blir det interessant å følge dette videre når vi nå alle – iallfall regjeringspartiene og Derfor blir det interessant å følge dette videre når vi nå alle – iallfall regjeringspartiene og samarbeidspartiene og vi – er enige om at denne næringen er viktig. Da blir jo virkemidlene ut fra hva som legges inn i budsjettene framover. Jeg er også glad for at ministeren sier at hun skal følge videre den strategien som regjeringen Stoltenberg har lagt fram. Så er det også sånn – det har jeg ikke vært inne på – at restråstoffet er en ting som vi bør ha med i tankene videre, også i forhold til norsk naturstein, som representanten Else-May Botten var inne på. Jeg vil også minne om at mineralnæring er noe langt mer enn bare gruvedrift. Behovet som vi ser for ny infrastruktur, vil bli enormt framover. Med dette takker jeg for debatten, og ser fram til at vi følger opp denne viktige

Sametingets forhold til mineralloven, er det slik at mineralloven er vedtatt av Stortinget. Det er Stortinget som vedtar lover, men de gjør det her etter konsultasjon med Sametinget. Denne regjeringen har foreslått en økning i Sametingets grunnbevilgning på 1 mill. kr nå i RNB. Det er bl.a. for at Sametinget skal kunne ivareta sine interesser i spesielle saker. Representanten Pedersen stilte spørsmål ved denne regjeringens gjennomføringskraft. Det tror jeg faller på sin egen urimelighet. Vi har tatt en avgjørelse i Engebø-saken. Når det gjelder Nussir, ligger den til behandling i Miljødirektoratet, og jeg kan selvsagt ikke kommentere dag og tidspunkt for en avgjørelse der. Den tar de når de er klar for det, og når de mener at de har det nødvendige grunnlag for å fatte en avgjørelse. Men en avgjørelse kommer. Representanten Elvestuen sier noe som viktig, og som vi må være ærlige på, og det er at mineraldrift har konsekvenser, og de konsekvensene er vi nødt til å være nøye på. Derfor er dette krevende avgjørelser. Vi skal ta kunnskapsbaserte avgjørelser, men mineralnæring og veldig mye industri har konsekvenser. Det må vi ikke stikke under en stol. Når det gjelder sjødeponi, er vi nødvendigvis ikke enige på det punkt. Det er omdiskutert. Norge har lang erfaring med sjødeponi. Vi mener å ha tatt en grundig beslutning på dette Når det gjelder opprydding etterpå, er det slik at mineralloven gir hjemmel til Direktoratet for mineralforvaltning for å kunne kreve sikkerhet hos virksomheter for bl.a. opprydding etterpå. Det er en oppgave direktoratet skal følge opp. Jeg oppfatter at vi er enige om det potensialet næringen har. Jeg oppfatter at vi er enige om at det er behov for forenklinger og forbedringer i planregelverket. Det jobbes det med. Det er gjort en god del, men vi jobber fortsatt med dette. Så trenger vi fortsatt kartlegging, og derfor fortsetter det i omtrent samme form som under den forrige regjering. Vi trenger kompetanse. Og hva gjelder innkjøpsreglene, som ble tatt opp av representanten Botten, jobber vi nå med å gjennomføre forenklinger. Det er mitt mål at det skal vi få til, slik at man kan få flere innovative innkjøp på vegne av det offentlige, for det trenger vi. Til representanten Fylkesnes: Det er slik at jeg behørig kommenterte prisene på mineraler. De er betydelig lavere nå enn for to år siden. På den annen side er de betydelig høyere enn det de var for ti år siden. Og det er slik at verden fortsatt trenger mineraler. Så vi tror det er et potensial, men vi er veldig ærlig på at prisutviklingen har vært bekymringsfull for deler av næringen. Dermed er sak

verden med duppeditter med data som vi har behov for å lagre, er det sånn at dataene sendes opp i en sky, men de trenger også å bli lagret fysisk et sted. Da skal datasentrene være der for å lagre dataene. dataene. Jeg skriver i min interpellasjonstekst at verdens datamengder dobles hvert annet år, og jeg er blitt oppmerksom på at de dobler seg ikke bare hvert annet år, men de dobler seg hver 18. måned. Sannsynligvis er det en vekst som bare kommer til å øke videre. Det blir også sagt at energien som trengs for å lagre dataene, vil innen fem år generere mer CO2-utslipp enn verdens samlede flytrafikk.

jeg mener at den voksende næringen – som vil kunne ta i bruk kraft, og som vil kunne løse noe av CO2-utslippene som vil kunne komme i andre land dersom det ikke etableres på grønn kraft – kan sikre at de datasentrene kan bli etablert i Norge. Facebook, som er etablert i Sverige, har 50 MW. De har planer om å øke til 100 Det blir også sagt at større datasentre forventes å være så store som 300–500 MW. Bare for å sette det litt i perspektiv: 100 MW vil tilsvare nesten 1 TWh, altså et enormt kraftbehov. Det tilsier at dersom en lykkes med noen av disse etableringene, vil en også kunne ta i bruk mye av kraftoverskuddet. En ser også at de store, sånn som Apple, Box, Facebook, Google, Rackspace osv., ønsker 100 pst. fornybar kraft, nettopp fordi forbrukere etterspør at det skal være grønt. Derfor peker de på markeder der de kan få grønn kraft, og der er Norge midt i. Verdiskapingen kan være enorm.

er på ca. 14,6 mrd. kr, 9 mrd. kr bare i Danmark. Jeg tenkte jeg skulle lese et sitat fra Jyllandsposten. De skriver – etter at det ble kjent at Apple valgte Danmark – følgende: «Valget af Danmark og Viborg skyldes blandt andet, at Apple ønsker, at centret skal basere sig 100 procent på vedvarende energi.» – Det er vel fornybar energi. videre: «Der ikke offentliggjort detaljer om, hvorfra den vedvarende energi skal komme, men der tales om vindkraft, vandkraft og biomasse. Derfor er centret også blevet placeret tæt transformerstationen Tjele, hvor energi fra Norge bliver konverteret og fødet ind i det danske elnet. Dermed skulle det være muligt foruden en stabil forsyning både at hente vandkraft fra Norge og vindkraft fra havmølleparkerne i Vesterhavet.»

med lokalisering. Men det blir sagt at minst 60 og kanskje 200 nye store datasentre skal komme i Europa innen 2020, så det er fortsatt gode muligheter. Derfor har jeg i min tekst i dag satt opp tre viktige forutsetninger for at vi skal lykkes. Den første er redusert elavgift. I oktober i fjor fremmet jeg et representantforslag om å redusere elavgiften for datasentre over 5 MW. Det er bygd på et forslag som er likelydende nabolands. Det endte med et felles forslag fra samarbeidspartiene i statsbudsjettet, og nå i revidert kom gladnyheten: Regjeringen varsler at elavgiften skal reduseres fra 2016. Det er viktig at dette kom. Det er viktig for de investeringene som det snakkes om nå, det er viktig at det blir et godt vedtak, og at det kommer på plass fra 1. januar 2016, for Danmark har redusert elavgiften, Finland har gjort vedtak, og Sverige har det til behandling. Poenget er at datasentre er kraftkrevende industri, og hadde en utformet regelverket i dag, hadde de naturlig havnet i den kategorien som har redusert sats. Dette punktet vet jeg ligger på finansministerens bord, men jeg vil understreke at næringsministeren må være på hugget, for redusert elavgift er helt avgjørende for at vi skal lykkes med etableringer i Norge. Tapt proveny, som Finansdepartementet ofte skremmer med, spiller mindre rolle når alternativet er at norsk kraft går rett til utlandet uten nettleie og sånn sett skaper verdier der. Der er heldigvis signalene veldig gode, men det er i hvert fall viktig at næringsministeren sørger for et godt vedtak. Det andre punktet mitt er fiber. fiber. Det sier seg selv at dersom vi skal klare å lagre dataene, må de fraktes hit. Derfor trenger vi et godt fibernett og god fiberkapasitet. Dette er viktig også i sammenheng med datasikkerhet og personvern. Det er framtidens infrastruktur. Vi er ganske sårbare, for ca. 85 pst. av trafikken går gjennom Sverige. Med andre ord kunne vi egentlig i dag hatt en selvstendig debatt om fiberkapasitet, ut fra argumenter som ikke har noe å gjøre med grønne datasentre, det at vi ønsker etablering av disse i Norge. Ut fra det kunne vi med vektige argument konkludert med at vi bør få større utbygging av fiber. Man kan se på Finland, de gjør det i stor skala for å

med et større behov for digital infrastruktur, bør vi møte dem på rett måte, nemlig ved å investere. IKT-Norge anslår at kabelen vil koste ca. 1 pst. av summen på kraftkabelprosjektet, og den investeringen bør vi ta. Det tredje punktet mitt er en offensiv nasjonal markedsføring. Vi kan ikke Vi er kanskje gode til å hjelpe norske bedrifter ut til utlandet for å sikre at de kan konkurrere, men spørsmålet er om vi har vært like gode til å gjøre det samme og få utenlandske til Norge. Ifølge Bellona har Invest in Sweden 35 ansatte, Invest in Norway har akkurat varslet at det skal gå opp fra én til to. Dette er definitivt næringsministerens ansvar, og jeg vil lese noe som generalsekretæren i IKT-Norge skriver:

aktuelle. Stabile grunnforhold – både bokstavelig og politisk – gjør at det ligger til rette for slike etableringer i Norge. Utgangspunktet for næringspolitikken er å bidra til størst mulig samlet verdiskaping i Norge. Det gjør vi gjennom stabile rammevilkår og ved å legge til rette for omstilling og innovasjon. Skatte- og avgiftspolitikken er i denne sammenheng vesentlig, og i det spørsmålet vi nå diskuterer,

Det er ikke nødvendigvis så mange arbeidsplasser eller forskningsoppgaver som følger med slike etableringer. Men det kan uansett være fornuftig å legge til rette for at kraften vår brukes innenlands, fremfor å eksporteres som en råvare dersom dette gir størst mulig verdiskaping og ikke minst mindre energitap. Klimatrusselen er et sterkt argument for omstilling i norsk økonomi, og i begrepet «grønne datasentre» ligger det at energien som brukes, skal være fornybar. I et globalt klimaperspektiv kan det være gode grunner for å legge slike anlegg til steder der de kan drives mest mulig effektivt og med minst mulig bruk av energiressurser. Og på grunn av klimaet vårt og grunnforholdene her er det fornuftig å stimulere til at datasentre etableres i Norge. Representanten Ropstad har nevnt tre viktige elementer for etablering av datasentre i Norge: elavgift, fiber og markedsføring. Strømkostnadene utgjør, etter det jeg forstår, rundt 50 pst. av driftskostnadene til datasentre. Aktørene er derfor naturlig nok opptatt av hvilken samlet kraftpris de står overfor når de Med et felles nordisk kraftmarked går det mot en harmonisering av grunnprisnivået. Forskjeller i avgiftene vil derimot gi ulik pris mellom markedene. I Norge er den generelle i dag 13,65 øre per kWh. Enkelte industrigrener, typisk kraftkrevende industri, er unntatt avgift, mens det som omtales som annen industri, betaler redusert sats på 0,45 øre per kWh. Her vet vi at det er forskjeller mellom landene i Norden. Spørsmålet om redusert elavgift er altså sentralt i debatten. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett varslet regjeringen at vi vil foreslå endringer i elavgiften i statsbudsjettet for 2016, slik at store datasentre betaler redusert sats. Dette følger opp Stortingets anmodningsvedtak fra behandlingen av budsjettet. Regjeringen vil således komme tilbake til hvor grensen for redusert sats settes, med hensyn til størrelse på datasentrene. Det er i den forbindelse også behov for EØS-rettslige avklaringer i henhold til regelverket for offentlig støtte. Interpellanten tar også opp at det er viktig å etablere nye fiberkabler direkte til Storbritannia og Tyskland. Beslutninger om slike investeringer er en sammensatt prosess. Norge skal ha stabil infrastruktur innen IKT og tilstrekkelig kapasitet også til fremtidige storskala datasentre. Utgangspunktet for denne type investeringer er at det må være et kommersielt behov som kan rettferdiggjøre dem. Spørsmålet om fiberkabler er blitt aktualisert fordi Statnett planlegger å legge Tyskland. Da kan det være fornuftig å legge fiberkabler samtidig, slik at investering og driftskostnader kan deles på flere. Det er slik at samferdselsministeren og olje- og energiministeren har tatt et koordinerende ansvar, og det pågår nå diskusjoner om å gå videre med en slik løsning. Så kan jeg forsikre om at jeg følger diskusjonen og ikke minst konklusjonen knyttet til den debatten. Interpellanten etterlyser en offensiv nasjonal markedsføring. Å realisere etableringer krever innsats fra lokale og nasjonale myndigheter og fra private aktører. Bransjeorganisasjonen IKT-Norge gjør allerede et viktig arbeid. På nasjonalt nivå har vi fått på plass den relativt nye funksjonen Invest in Norway – et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Invest in Norway har et omfattende nettverk og markedsfører og tilbyr tjenester til bl.a. utenlandske aktører som vurderer å etablere grønne datasentre i Norge. Gjennom Innovasjon Norge er Invest in Norway representert i 35 land. SIVAs deltakelse i samarbeidet understreker at næringsutvikling på dette området ofte er avhengig av konkrete eiendomsprosjekter. Jeg registrerer at Invest in Norway formidler tydelig og god informasjon om hvilke muligheter Norge kan tilby ved etablering av grønne datasentre. Norge har en rekke kvaliteter som gjør det attraktivt med etablering av grønne datasentre. Gjennom regjeringens beslutning om å foreslå elavgift til redusert sats for slike sentre fra 2016 har vi tatt et viktig grep i så måte. Jeg vil takke statsråden for et godt svar. Jeg er

Og signalene som går på elavgift, for å starte med den, er gode – det at en sier tydelig at store datasentre skal betale redusert sats. Så har man en drøfting nå på hvor grensa skal gå. Der vil mitt innspill være at jeg tror det viktige er å se på hva som vil gå fort å få godkjent i EU, og som jeg antydet i mitt innlegg i stad, ser vi til nabolandene hva de har fått godkjent, og hva som sannsynligvis vil kunne være en rask og farbar vei. er heller ikke tvil om at det er investorer som står på trappene, og som, ut fra det statsråden sier, sammenlikner den vesentlige kostnaden kraft er, og sannsynligvis vil velge de landene som er billigst, selvsagt. Når det gjelder fiber, er jeg glad for at statsråden vil følge det nøye – Tysklandskabelen og også den som kommer til Storbritannia. Men der er det også viktig å understreke, eller i alle fall å gjenta, at én ting er datasenterargumentene, men jeg tror også det er viktig å legge inn de andre argumentene. Jeg klar over at det i utgangspunktet skal være

og så kan det tas en privat betaling. Det oppfordrer jeg også statsråden til i alle fall å ta med i disse vurderingene. Mitt spørsmål til statsråden er egentlig knyttet til strategien – hva hun tenker for å kunne bidra offensivt. Jeg begynte på et sitat fra generalsekretæren i IKT-Norge, der han antydet at da Sverige fikk Facebook

dere. Jeg var inne på Invest in Norway, som jeg er enig med statsråden er et godt virkemiddel. Men til sammenlikning har Sveriges Invest in Sweden, ifølge Bellona, 17–18 ganger flere ansatte sammenliknet med Norges Invest in Norway. Jeg tror det er det noe av utfordringen går på. Jeg vil gjerne utfordre statsråden på hva den offensive strategien utover disse tingene vil være.

Når det gjelder verdiskapingspotensialet og ikke minst antall ansatte, er det litt ulike debatter, og det var det jeg prøvde å være litt åpen på. Representanten antydet 4 500 arbeidsplasser, så vidt jeg vet. Det vi har fått oppgitt fra svenske myndigheter, er at når Facebook er ferdig med sine tre sentre, regner man med 260 ansatte. Så tallene er nok litt uklare her. Poenget er likevel at vi er positive til slike etableringer. Vi bruker Invest in Norway. For oss er det en nyetablering som det er viktig å ha tillit til at gjør en jobb. Men det er også slik at jeg og resten av regjeringen, og statsministeren, møter markeder, og vi møter næringslivet hver eneste uke. Vi er selvsagt med på fremstøt hvis det skulle bli aktuelt i en gitt situasjon. Vi er åpne for det, men vi bruker vårt Invest in Norway som vårt nye verktøy i denne sammenheng.
Odd Henriksen,

Vi har gode muligheter til å plassere datalagringsanlegg i fjell med gode og naturlige kjølemuligheter og ikke minst med god sikkerhet. Vi har gode muligheter for gjenbruk av energien til oppvarmingsformål hvis vi plasserer disse anleggene på riktig plass. Vi kan tilby stabile politiske forhold og rammebetingelser. Vi har i tillegg dataoverføringskapasitet både innenlands og til utlandet.

Det er stor verdiskaping knyttet både til å bygge anlegg og til å drifte anleggene, men ikke minst viktig er det at vi får en ny virksomhet med nye kompetansearbeidsplasser som næringen selv tar med seg, og som kan skape nye arbeidsplasser i fremtiden. Det er det også viktig å ha med seg. Det er derfor gledelig at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett varsler at den vil innføre lavere elavgift på store dataanlegg i 2016. Det er videre slik at Finansdepartementet i samråd med Næringsdepartementet er i dialog med ESA for å få avklart dette med statsstøtte, om det er handlingsrom for avgiftslette innenfor ESA-reglementet. I tillegg skal det bygges to nye strømkabler til henholdsvis Tyskland og England. I den forbindelse blir det sett på om det er mulig å legge til rette for fiberkabler også i denne utbyggingen. Jeg tror vi skal være klar over at dette er et krevende felt, og mange forhold må avklares. Det er likevel slik – som det har vært nevnt – at det er ført samtaler mellom forskjellige departementer og Statnett for å se om dette er mulig innenfor de gitte konsesjoner og ikke minst innenfor de vedtakene som er fattet i denne saken. Det er bra at man ser etter muligheter når det først skal bygges. Vi har skapt et overskuddsmarked for fornybar kraft. Vi har alle forutsetninger for å kunne utvikle og produsere varer og tjenester verden etterspør, på en best mulig bærekraftig måte. Det blir spennende å se om datalagring blir en kraftintensiv næring også i Norge. Regjeringen er i alle fall på god vei til å skape gode rammevilkår for å få det til.
Jeg vil bare benytte anledningen til å takke representanten for å ha tatt opp en utrolig viktig sak, som fra Arbeiderpartiets side har full støtte. De punktene som representanten her var inne på, og de synspunktene som ble framsatt også fra representanten Henriksen, er synspunkter vi deler fullt ut, så jeg skal ikke bruke tid på å gjenta dem. Men det er klart at Norge har mange fortrinn som gjør det mulig, som representantene har vært inne på, å få dette til. Jeg vil bare bruke litt tid på fiberkabel og fiberkapasitet. Vi er kjent med disse kablene som nå bygges, og det ville jo være utrolig, hvis vi nå legger en kabel, at vi ikke i den samme grøfta eller i den samme kabelen skal benytte anledningen til å få på plass denne fiberen som vil knytte Europa sammen. Jeg vil bare tilkjennegi at vi på vårt landsmøte har vedtatt sammen. Jeg vil bare tilkjennegi at vi på vårt landsmøte har vedtatt dette med redusert elavgift, og vi har sågar sagt at når det gjelder fiberkabelen til Tyskland, må staten alene eller sammen med private aktører finansiere dette. Tiden går nå i løpet av noen få måneder.

den siste tida. Jeg tror at det i den kommende tida er helt avgjørende at vi gjør enda mer, at de endringene som statsråden varsler, gjennomføres – som har vært varslet i revidert – og at vi blir enda mer offensive. Når det gjelder antall arbeidsplasser, er det ikke sikkert at det er uenighet, fordi jeg tror jeg refererte til BCG istedenfor til The Boston Consulting

med en verdiskaping på 9 mrd. kr, og en lykkes med ti sånne typer datasentre, snakker vi om en enorm verdiskaping. Dette er arbeidsplasser som ikke trenger å ligge i det sentrale østlandsområdet – de kan ligge i Nord-Norge, de kan ligge i Sogn og Fjordane hvis det er god tilgang på kraft, de kan ligge på Sørlandet, osv. Hvis vi ser inn i glasskula, er det ingen tvil om

at det ansvaret må tas. Jeg funderte på om jeg skulle rette den til næringsministeren, om jeg skulle rette den til finansministeren, som styrer elavgifta, om jeg skulle rette den til olje- og energiministeren, som behandler kraftoverskuddet, eller om jeg skulle rette den til samferdselsministeren, som har ansvar for det med fiber og infrastruktur og har vært mye frampå på det feltet. Men jeg valgte næringsministeren, fordi dette er en grønn omstilling.

vei. Jeg mener også at denne debatten – jeg vil takke dem som deltok, også fra Arbeiderpartiets side – signaliserer tydelig at det er den retningen vi ønsker, og da kan vi sammen klare å løfte det, sånn at vi ikke bare er konkurransedyktige, men at vi er på hugget, at vi er ute og lokker dem til Norge, sånn at de store velger å etablere sine datasentre i Norge.

tilbake med hvilke avgiftslettelser vi skal gi, og for hvilken størrelse vi jobber med i spørsmålet knyttet til fiber. Men her må jeg nok si at det var kanskje det eneste punktet hvor jeg været en viss uenighet. Utgangspunktet vårt er at denne typen investeringer må kunne la seg forsvare kommersielt, og det står vi i utgangspunktet fast ved. Så er det to andre statsråder som også skal delta i den debatten. Når det gjelder verdiskapingspotensialet og mulighetene for antall ansatte, tror jeg kanskje det er helt riktig at det vi har fått oppgitt når det gjelder ansettelser i Sverige, er det som til nå er kommet, har det sikkert et større potensial på sikt. Vi er i omstilling – i motsetning til hva noen tror, så er ikke det et ord regjeringen har funnet opp. Det er altså en situasjon denne nasjonen er i. Vi trenger flere ben å stå på, og vi har noen naturgitte fortrinn, og dem bør vi benytte, og det skal vi gjøre. Da er sak nr. 4 ferdigbehandlet. Familie- og kulturkomiteen har med grunnlag i § 22 syvende ledd annet punktum i Stortingets forretningsorden anmodet om en debatt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 ved at én representant fra hvert parti gis adgang til et ubegrenset antall innlegg. Disse talerne er meldt inn til presidenten på forhånd. Også medlemmer av regjeringen som deltar i debatten, vil ha adgang til et ubegrenset antall innlegg. – Det anses vedtatt.
Europarådets parlamentarikerforsamling vedtok i januar en uttalelse som uttrykte bekymring for pressefriheten i Europa og nærområdene. Både enkeltpersoner, journalister, redaktører, mediehus og organisasjoner opplever trusler og vold. Det forferdelige angrepet mot Charlie Hebdo var en vekker for oss alle og et angrep mot oss alle. Ytringsfrihet og pressefrihet er hjørnestener i demokratiet. Dersom frykt og selvsensur tar over for frihet til å kritisere og undersøke, svekkes altså demokratiet. Journalisters frihet og sikkerhet er vår alles frihet og sikkerhet. Et åpent og tillitsbasert samfunn krever at vi kan stole på at journalistikken er fri, uavhengig og objektiv. Vi opplever et stort paradoks på den ene siden en journalistisk gullalder og på den andre siden fysiske angrep, finansielle utfordringer, økt medieeierskapskonsentrasjon, kommersielt press samt politisk press for å bli kvitt brysomme journalister, som i sum legger press på journalistikken. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder pressefrihet. Det er bra, og det forplikter. Grunnloven § 100 sier: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.» Vi skal være garantister for pressefrihet og ytringsfrihet og motvirke det vi ser av uheldige utviklingstrekk. Ytringsfriheten og pressefriheten trues på flere måter: gjennom frykt for reaksjoner fra ekstreme grupper eller fra organiserte kriminelle miljøer, flere trusler mot journalister og redaktører, press på kildevernet ved utvidede muligheter for politiet til å drive kommunikasjonskontroll og overvåkning, informasjonsreglement i offentlig regi som legger begrensninger på ansatte, og pulverisering av medienes tradisjonelle finansieringsmodeller. Det må gis en god og effektiv beskyttelse av dem som benytter seg av ytringsfriheten. Aksept av trusler og vold må avvises. Truslene mot kildevernet må også tas på alvor. Bare vissheten om at noen kan lete fram kontakter og bevegelser mellom journalister og deres anonyme kilder, vil kunne være nok til at kilden kan bli mer tilbakeholden med å formidle opplysninger. Sånn kan viktig samfunnsinformasjon gå tapt og pressens demokratiske samfunnsrolle undergraves. Årets SKUP-konferanse avdekket at mange opplever betydelige problemer med å få tilgang til offentlig informasjon. Det er skuffende. Mangelfulle postlister og lang ventetid på henvendelser er bare noen eksempler på hvordan aktører som forvalter fellesskapets verdier og tillit, motarbeider åpenhet. Dessuten oppleves det ofte at ansatte får munnkurv overfor media. Dette gjelder også folkevalgte. Stavanger Aftenblads undersøkelse i fjor viste at 106 av 140 kommuner har et ulovlig informasjonsreglement for sitt kommunestyre. Offentlig sektor bør jo gå foran som et godt eksempel for å beskytte ytringsfrihet og sikre åpenhet. Det bør derfor tas initiativ til at alle offentlige institusjoner og etater gjennomgår reglement og retningslinjer. Vi har notert innspillene som kom fram under komiteens seminar, om behovet for styrket kildevern og varslervern, om å vurdere et særskilt vern for journalister og om en medieansvarslov som kan rydde opp og samle alle medrettslige lovbestemmelser. Men økonomiske rammebetingelser er også avgjørende for å sikre pressefrihet, kvalitetsjournalistikk og mangfold. Vi har mange debatter om dette i denne salen. Men mitt ønske er at vi på tvers av partigrensene og fagkomiteene kan behandle sånne saker ikke bare som rene nærings-, finans- eller kulturpolitiske spørsmål, men ved å se mediepolitikken som en nødvendig del av og forutsetning for vårt demokrati. Da ville vi i større grade følge opp forpliktelsene i Grunnloven § 100.

Det kan vel være vi til tider er uenig i, eller i det minste betenkt over, hvordan pressens frihet brukes i omtale av gode kolleger, men det er en annen sak. Jeg tror samtlige talere i denne debatten vil understreke at pressefrihet er viktig, og at det vil vi ha. Ja, la også meg slå det fast. Selve begrepet, altså ordet «pressefrihet», kan vel kanskje stå overfor utfordringer, ja til og med stå for fall, ettersom en fysisk presse åpenbart i mindre og mindre grad er avgjørende for at journalistene får utført og formidlet sitt arbeid. Journalistisk frihet er dermed det avgjørende. Jeg vil gjerne begynne med å slå fast at den journalistiske friheten etter min oppfatning er godt ivaretatt i Norge. Det er likevel ikke til å legge skjul på at de enorme endringene som skjer i publiseringsuniverset i dag, utfordrer faget på flere områder. En av de store utfordringene er at det for menigmann til tider er blitt vanskelig å skille mellom journalistisk arbeid og de mange former for kommunikasjon som de digitale plattformene åpner for. Det som før ville blitt formidlet som leserinnlegg i en papiravis, formidles nå fritt som blogg eller innlegg gjennom andre tilbud, uten å klargjøre bakgrunn eller å gjennomgå redaksjonell vurdering i det hele tatt. Dette er ikke i seg selv en utfordring for den journalistiske friheten, men gjør at mange ukritisk blander ytringsfrihet med journalistisk frihet. Dersom vi mister det perspektivet at journalistisk arbeid har en annen verdi enn de ytringer vi alle har anledning til å komme med hvor som helst, vil det i hvert fall kunne være en trussel mot respekten for journalistisk arbeid – respekten som gir frihet og trygghet for å utfordre. Det er selvsagt en viktig del i utøvelsen av journalistisk frihet. Hva er det så som kan true denne friheten i dag? Noen vil nok mene at få, men store mediehus, som opererer over store deler av landet, vil være en slik trussel, og dette sammenfaller med det som noen generelt peker på, at redusert mangfold er en trussel. Redusert mangfold og monopollignende aktører ville selvsagt redusert friheten, men jeg kan ikke se at det er i ferd med å bli slik i Norge i dag. Selv om mange utfordres av overgang til nye plattformer, er det vel bare å slå fast at det aldri før har vært så mange muligheter som det er i dag til å nå mange med sitt arbeid, uansett hvilket område journalistikken representerer. Distribusjon, og videredistribusjon, er blitt enkelt og utfordrer journalister mer på om artikkelen er skrevet for gruppen det til slutt treffer, enn på friheten til å skrive om det de vil. Jeg oppfatter heller ikke Grandes initiativ som et resultat av mangelen på frihet, men som en viktig debatt for å minne oss på å beholde friheten. Likevel kan vi ikke unnlate å tenke på at det er særdeles krevende for norske journalister som refererer fra andre lands konflikter og hendelser. De opererer med stort mot, og ofte med livet som innsats. Vi kan heller ikke unnlate å nevne at det internasjonalt finnes pressgrupper som gjennom trusler, vold og drap forsøker å hindre journalister i deres arbeid. Jeg er glad for at folket selv har reist seg mot disse gruppene i mange land, og vet at det er tilfellet også her i landet. Mediepolitikk er utfordrende for tiden, og denne debatten må være en påminning for regjering og storting om at vi i tilretteleggingen for journalistisk arbeid på alle plattformer ikke må gjøre grep som innskrenker friheten. Vi må opprettholde rammer og tilskuddsordninger som ikke favoriserer noen på bakgrunn av mening eller redaksjonell vinkling. Det ansvaret skal vi ta på alvor. Jeg ser fram til den videre debatten og håper på mange tydelige innlegg med forsvar for pressefriheten – den journalistiske friheten.

Jeg synes det er grunn til å minne om dette når vi skal diskutere pressefrihet – ikke for å bagatellisere en diskusjon om pressefrihetens kår i Norge, men for å understreke alvoret. I veldig mange land risikerer mennesker faktisk livet for å hegne om pressefriheten. Det viser hvor verdifull den er, og det viser viktigheten av at vi tar vare på den og sørger for at den ikke blir uthulet. Vår nasjonale virkelighet er ganske annerledes. Norge ligger på topp 3 i World Press Freedom Index, som utføres av Reporters Without Borders. Graden av pressefrihet oppleves også som stor. Grunnloven § 100, som nevnt, verner om retten til å ytre seg fritt. Ja, staten pålegges sågar å legge «til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale», som det altså heter i Grunnloven. Frie medier og retten til å ytre seg gjennom det skrevne ord mener jeg er grunnleggende viktig for ethvert demokrati. Staten har et ansvar for å legge til rette for dette. Derfor er det bra at mediebransjen har fått ordninger som bidrar til å gjøre dem levedyktige. På mange områder har ordningene vært vellykket, men det finnes elementer i utviklingen som gjør at vi også må være på vakt, ja som det er grunn til å slå alarm om. Utviklingen i mediebransjen er alarmerende, og den går svært raskt. Konkurransen fra utenlandske medier øker, lesevanene endrer seg, og mediene taper inntekter. Vi bruker nettet mer og leser mindre på papir. Norske medier er i verdenstoppen når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Den samme teknologien har samtidig gjort at internasjonale selskaper, som Google og Facebook, tar annonseinntekter på det norske markedet uten at de har egenprodusert innhold. Hele ¾ av det digitale annonsemarkedet i Norge går til slike aktører. Papiraviser og magasiner opplever nå et kraftig fall i annonseinntektene uten at dette kompenseres med digitale annonseinntekter. Og konsekvensen av dårlig økonomi er nedskjæringer, som i sin tur også kan ramme journalistikken. Min bekymring er at dette rammer særlig den gravende og den kritiske journalistikken. Jeg mener derfor at vi i en debatt om pressefriheten i Norge ikke kan komme utenom å stille spørsmål ved om rammebetingelsene er gode nok, om de er oppdaterte, eller om vi må innføre nye ordninger. Vi må i alle fall sørge for at ikke våre reguleringer bidrar til å forsterke de negative trendene. Gode rammebetingelser handler også om pressefrihet. Pressestøtten har det vært mye diskusjon rundt, men den er viktig. Den ble opprettet i 1969 og har vært et sentralt virkemiddel for å opprettholde en allsidig og desentralisert presse i Norge. De fem avisene DagenMagazinet, Dagsavisen, Klassekampen, Nationen og Vårt Land er kategorisert som riksdekkende, meningsbærende aviser og ytes ekstra tilskudd. For Kristelig Folkeparti er opprettholdelse av pressestøtten en viktig sak i det å opprettholde mediemangfoldet og pressefriheten i Norge. Jeg vil si det sånn at kutt i rammebetingelsene er kutt i ytringene. Jeg mener at vi trenger også disse stemmene i den norske debatten. Vi kan ikke ta vår pressefrihet som en selvfølge. Vi må hele tiden passe på at den ikke svekkes – til det er den altfor

sammenheng med pressefriheten internasjonalt, og da må en si at vi har det relativt godt, at pressen i Norge har det relativt bra. Måten pressefriheten blir utfordret på i andre land, er et bilde som vi er langt fra i Norge. Allikevel er debatten om pressefrihet i Norge også svært viktig, det kan være pressefriheten i relasjon til

som har avklart en del av de vanskeligste spørsmålene gjennom en rekke saker som er avgjort både i Høyesterett og også av Den europeiske menneskerettsdomstolen. Når det gjelder pressefriheten relatert til medias egen omstilling, må vi erkjenne at media har vært gjennom en revolusjon i løpet av få år. Det er ikke sånn at fusjoner i seg sjøl truer pressefriheten, men det er klart at en situasjon der det er mye tøffere arbeidsforhold for mediehus enn tidligere, skaper et press på omstilling og resultater som også kan gå ut over muligheten til den gode journalistikken, og dermed også ha betydning for pressefriheten. I den sammenheng synes jeg det er viktig både det som Høyres talsmann snakket om når det gjelder å opprettholde tilskudd og ordninger som kan bidra til å sikre muligheten til god journalistikk, kan bidra til å sikre muligheten til god journalistikk, og det som Kristelig Folkepartis representant var inne på når det gjelder riksdekkende, meningsbærende avisers rolle for nettopp å sikre mangfoldet. Så er det slik at når vi snakker om pressefrihet, tenker vi ofte på pressefriheten relatert til offentlig myndighet og forvaltning. De resultatene som ble offentliggjort i forbindelse med SKUP-konferansen for kort tid tilbake, viser at 40 av 63 innsendte rapporter til offentligheten beskriver delvis betydelige problemer når det gjelder tilgang til offentlige dokumenter og kilder på departements- og regjeringsnivå, og beskriver også en systematisk trenering av innsynsbegjæringer og klager. Det er en problemstilling som vi alle har et ansvar for å ta alvorlig. Når statsråder krever at alle spørsmål skal tas på e-post, og når Dagbladet ventet åtte måneder på å få et direkteintervju med en statsråd, er det klart at det er problemstillinger som alle partier må ta alvorlig, at en ikke gjør pressens arbeid nødvendigvis lettere, enklere og friere ved den måten offentlig forvaltning forholder seg på til en del av de sakene en blir møtt med. Så må jeg også si at på bakgrunn av den debatten som er i dag, synes jeg det er vanskelig å forstå

De forholdene som berøres i dette Dokument 8-forslaget, ble vurdert da offentlighetsloven ble endret i 2009, og det å komme med et slikt forslag, som nå hastebehandles i Stortinget, når det samtidig også skal settes i gang en evaluering av endringene i offentlighetsloven, må jeg si jeg synes er ganske hårreisende. Jeg synes at det pålegger de partiene som har tenkt å støtte

– at du har rett til å ytre deg. Også tegnere skal ha rett, selvfølgelig innenfor de rammene som man setter selv for kvalitet og relevans. Men så har man det som er det mer norske, som er en problemstilling som flere har tatt opp tidligere, som er det økonomiske presset som norsk presse er utsatt for, dvs.: Hvordan opprettholder man en kvalitetsjournalistikk innenfor en vanskeligere økonomisk ramme og med nye medier som vokser fram? Da er det viktig med de rammevilkårene som vi kan gi gjennom at man har en pressestøtte, at man kan få nullmoms også på nettmedier, at vi har innført redaktørplakaten i lovverket – at det er noe fundamentalt som ligger der. Når denne debatten dukker opp, synes jeg det er ting man må reflektere over, og da ser jeg også på min egen situasjon. Her i Oslo stilte jeg til valg i 2003 og 2007. Da var det lokalaviser i hver eneste bydel og en levende debatt om hver eneste byggesak som gikk i bystyret i Oslo. I dag finnes det ingen felles arena hvor man diskuterer de bystyresakene i Oslo som må følges like tett som man gjorde den gangen. Det mener jeg er noe som man må reflektere over. Og det er også andre områder: Olje- og gassnæringen er helt dominerende i Norge og norsk økonomisk utvikling og i den norske samfunnsutviklingen. Da må man se på: Hvor mange oljejournalister har vi innenfor det norske mediebildet? er i SYSLA, de er i Stavanger Aftenblad – men er det egentlig mange nok som følger dette tett? Samtidig synes jeg man skal sette et spørsmålstegn når vi går inn i bl.a. utenlandsoperasjoner. Vi hadde mange års erfaring i Afghanistan. Hvilke krav ble stilt til journalister for å følge de norske styrkene i Afghanistan? Og fikk man være med også neste gang dersom man lagde kritiske reportasjer når man deltok ved de operasjonene som ble gjennomført? Dette synes jeg det er viktig å sette spørsmålstegn ved. Så må vi, som flere har vært inne på, hele tiden jobbe for at det er nok åpenhet innenfor den offentlige sektor. Det ble sagt noe her om kommuner. Jeg tror vi alltid må passe på at man faktisk følger

Men ikke minst: Hvilken åpenhet har vi i departementene? Har man den nødvendige åpenheten i departementene og det offentlige Norge? Eller er det sånn at man heller dekker seg bak at det er viktigere med den interne saksbehandlingen enn det man gir ut? Vi har jo noen gode eksempler på at aviser er helt nødvendig: BT med sin avsløring – også viktig for Venstre – av hva som faktisk skjedde med asylbarn, Dagbladets arbeid i forbindelse med salget av Forsvarets båter til Nigeria, viktige saker som viser betydningen av den gravende journalistikken. Til slutt vil jeg også nevne varslerne og om vi har de nødvendige rammebetingelser for dem som er varslere, både gjennom at det er en overvåkning, og at IP-adresser blir mer og mer kjent. Har varslernes kår blitt verre i de siste årene? Og er dette noe som en vil ta spesielt hensyn til? La meg først takke initiativtakeren til denne debatten. Det er en interessant debatt å reise, og det er ikke noen tvil om at vi alle er opptatt av å ha en fri, uavhengig presse i Norge. I en fersk rapport fra den amerikanske organisasjonen Freedom House har man gjennomgått og vurdert 197 land i 2014, og man kom da fram til at det var full pressefrihet i 63 land. land. Da er det gledelig at Norge er en av topp 3 – mellom Nederland og Sverige. Det handler om journalister som kan arbeide trygt, det handler om redaktøren som ikke skal bli sensurert – for det er jo det som skjer i andre land, som ikke er på toppen av den lista. Jeg er glad for at vi i regjeringspartiene da faktisk fokuserer på og ser litt på maktstrukturer også, for det kan være et dilemma dersom maktforholdet blir for skjevt og eierinteressene skal påvirke beslutningene. Det dreier seg uten tvil ikke bare om den journalistiske friheten eller redaktørfriheten, men også om trykkefriheten, som flere har vært inne på her – retten og muligheten til å trykke og ikke bli kneblet. Vi er helt avhengige av å ha en uavhengig presse, kneblet. Vi er helt avhengige av å ha en uavhengig presse, og for å kunne ha det også i framtiden er vi helt avhengige av moderne tilrettelegginger for plattformnøytralitet og hindre forskjellsbehandling mellom papir og nett. Det er en helt ny hverdag vi må ta inn over oss. Derfor ønsker vi å legge til rette for at vi ikke skal forskjellsbehandle papir og nett, og håper at vi får det godkjent i ESA. Det er et mediemangfold. Man snakker om papiraviser som går ned i antall, som forsvinner, men det kommer også flere nye på nett. Det har vært tatt opp hvor viktig pressestøtten er i dette. Ja, den kan være viktig, men jeg vil også minne om at det er ikke dermed sagt at den er nødvendig for å kunne ha en fri presse. I komiteen var vi så heldige at vi på et innspillsmøte i forkant av debatten hadde besøk av en avis som heter Karmøynytt, og som startet som gratisavis. Den vokser, og definert som avis klarer den seg uten pressestøtte. Jeg sier ikke at det nødvendigvis er det viktigste, det kunne også vært oppstartsstøtte. Jeg mener at god journalistikk ikke dreier seg om hvor mye penger man får, men hva man får ut av dem, og hvordan man legger det opp. Uansett skal vi sette pris på det å ha en fri, uavhengig presse. Jeg mener at det det beste vi kan gjøre, er å passe på eierforholdene, maktstrukturen, og ikke la noen bli for dominante. Det er viktig for balansen. Det er viktig å sørge for et mediemangfold, og denne salen har et ansvar for at vi faktisk har et mangfold av aktører. Vi skal sørge for den frie, uavhengige journalisten og redaktøren, redaktøransvaret og ikke minst trykkefriheten – den skal vi hegne om. Vi skal fortsatt jobbe det vi kan for å holde Norge på topp som et men da mener jeg at det beste vi kan gjøre, er å legge til rette for like vilkår for pressen, like vilkår for nett og papir, og rett og slett – mener Fremskrittspartiet – se på pressestøtten. Det er ikke sikkert det er den som er avgjørende for om man får god eller dårlig journalistikk. Det er den gode journalisten, den gode redaktøren og de gode, innovative avisene, pressen, som vinner fram, og vi skal hegne om også dem. Jeg vil takke representanten Arild Grande og ikke minst også komiteen for muligheten til å debattere pressefrihetens vilkår. I et demokrati er det

I verden i dag er det flere mennesker som mangler ytringsfrihet enn som har den, og ytrings- og pressefriheten trues på flere fronter. Den lider under totalitære regimer og religiøse doktriner. Men ytringsfriheten trues også i frie demokratier – av avlytting, overvåking og kontroll på den ene siden og av trusler, vold og forfølgelse på den andre. Ifølge Reportere uten grenser er 25 journalister drept i verden i år. 155 journalister og 177 bloggere og nettaktivister sitter i fengsel. Senest i dag sier journalist i Charlie Hebdo, Zineb el Rhazoui, i en kronikk i Aftenposten at hun aldri sover samme sted to netter på rad. Å hugge hodet av en journalist er selvsagt verre enn å skremme vedkommende til taushet. Men konsekvensene for ytringsfriheten kan bli like alvorlige. Journalisters evne til å formidle informasjon og maktkritikk innskrenkes, og våre muligheter til å delta i demokratiet blir mindre. I dag har vi hele verden på skjermen vår. Samtidig er ytringsfriheten og ytringsmulighetene våre sensitive for konjunkturer, enten de er økonomiske, juridiske eller kulturelle. Vi kan altså ikke snakke om ytringsfriheten i Norge som om vi befinner oss i et vakuum. Vi har et globalt medansvar for ytringsfrihetens kår. Det er en oppgave vi aldri må legge fra oss, og en debatt som ikke må Ytrings- og pressefriheten i Norge står svært sterkt. Vi lever i et av verdens frieste hjørner. Likevel er det flere faktorer som kan svekke ytringsmulighetene og mediemangfoldet i Norge. Myndighetene skal legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Da kan vi ikke bare arbeide juridisk og prinsipielt. Statens mediepolitiske virkemidler må også åpne for teknologiske framskritt. Regjeringen har sagt at vi skal modernisere virkemidlene og sørge for at mediene behandles likt – uavhengig av teknologisk plattform. Skillet mellom papiraviser og elektroniske medier har vært et hinder for innovasjon av digitale tjenester og betalingsmodeller. Derfor gjorde vi produksjonstilskuddet plattformnøytralt. Men dersom mediestøtten som helhet skal fungere etter hensikten og fremme nyhetsformidling og samfunnsdebatt, må vi også gjøre noe med innretningen på momsen. Planene om plattformnøytral lavmoms lå på pulten min da jeg tiltrådte. Der hadde de ligget i årevis, uten at de var blitt gjort noe med. Jeg er veldig glad for at regjeringen nå notifiserer dette plattformnøytrale momsfritaket til ESA. Ordningen vil omfatte alle nyhets- og aktualitetstjenester, både i form av tekst, lyd og bilde. Denne saken er svært viktig for regjeringen. Derfor skal vi jobbe hardt for å få dette gjennom i ESA. Et annet område hvor det snart vil skje et stort teknologisk framskritt, er innen radiomediet. Stortinget vedtok klare kriterier for slukking av FM-nettet i 2017. Disse kriteriene er nå innfridd. Derfor har regjeringen besluttet å slukke i 2017. Dette vil komme både lyttere og radiobransjen til gode. Digitaliseringen gir ikke bare klare beredskapsmessige fordeler og store muligheter for innovasjon – den åpner også for et enda større mangfold av radiokanaler. Et demokrati er avhengig av medier som kan sette oss i stand til å forstå verden. Med andre ord er vår frihet avhengig av medienes frihet. Med disse grepene har regjeringen styrket forutsetningene for denne friheten. friheten. Jeg er veldig glad for at det er så bred enighet med hensyn til å understreke behovet for nettopp å verne om disse verdiene, som alle hittil i debatten har gitt uttrykk for. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil

Men også her i Norge utfordres pressefriheten, både fordi markedene endrer seg, og fordi vi ser en stor konsentrasjon av eierskap. Vi er tjent med et bredt eierskap i norske medier. Det er med på å sikre et mangfold i nyhetsformidling og at de kritiske blikkene rettes mot forskjellige samfunnsforhold. Det er også en viktig grunn til å støtte opp om en desentralisert presse, journalister som ser makt og samfunnsstrukturer på avstand og med andre briller enn dem som lever tett på sentrale strukturer. Pressefriheten utfordres av Internett fordi holdninger og synspunkter formidles i nye kanaler og spres i hurtigtogsfart. Det er bra for mangfoldet, men krevende, fordi redaktørplakaten og annen selvjustis i bransjen ikke favner om alle disse nye formidlerne. Grensene mellom nyhetsformidling, kommentering og reklame viskes ut. Kommentatorrollen utvides med mennesker som på ingen måte er underlagt regelverk eller redaktører, eller som måtte stå til ansvar i PFU. Jeg mener det er god grunn til å drøfte hvordan vi kan møte dette. Mangfoldet som vi vil ha, må kobles med den anstendighet vi kjenner fra den tradisjonelle Pressefrihet har en tvilling, og det er pressetrygghet, sa Kjersti Stavrum for en tid tilbake. I en tid der flere journalister drepes hvert år, er det grunn til å dvele ved akkurat det. Hvem tar ansvar for dem som er ute i krigsområder? Stadig flere av dem er frilansere uten fast tilknytning til en redaksjon. Hvem er det som sier hit, men ikke lenger? som stiller spørsmål om sikkerhet når noen ikke er en del av en redaksjon? Vi må stå opp mot trusler, uansett hvem de rettes mot, og særlig trusler mot journalister som formidler budskap som noen ikke liker. For selv om vi har ytringsfrihet i Norge, må ikke det forveksles med at det er lov å komme med trusler. Det bidrar ikke til den pressefriheten vi vil verne om.
Kårstein Eidem Løvaas

Så jeg er glad vi diskuterer det i dag, fordi pressefriheten må røktes, og vi må sørge for at den er like selvfølgelig i fremtiden som den er nå. Videre er det viktig at vi også gjør det vi kan for at den skal være like selvfølgelig overalt. Vi i Norge har godt ry for å spre viktige demokratiske verdier i vårt internasjonale arbeid. Pressefrihetens rolle i et demokrati må være en del av det budskapet vi bringer med oss i det arbeidet, i områder av verden hvor dette ikke er like selvfølgelig – som flere har pekt på i dag også i de områdene hvor pressefrihet ikke finnes i det hele tatt, men er forbudt. Dette er ikke en frihet som er gjenstand for kompromisser. Tilbake til vårt lille Norge og den oppmerksomhet som har vært gitt til vår presses vilkår, særlig i den senere tiden. Det har vært malt med så bred pensel at inntrykket har vært at vi har stått på både det økonomiske, det etiske, ja selve pressefrihetens stup. Dette er heldigvis langt fra virkeligheten. Bare i dagens utgave av Dagens Næringsliv finner vi fire helsider med følgende tre overskrifter: nr. én: «Fem grunner til at vi ikke har mediekrise», nr. to: «Vil betale for godt innhold», nr. tre: «Den gyldne tiden for journalistikken» – og det snakkes om nå. Det er viktig å ha med seg at det aldri har vært enklere å publisere og lage nyheter. Det gjelder de tradisjonelle, og det gjelder de digitale redaksjonene. I tillegg gjelder det hver enkelt av oss. Den digitale revolusjonen har gjort at du og jeg med noen enkle tastetrykk kan kle av makten på en måte man bare kunne drømme om tidligere. For å kikke litt over grensene igjen er det en global trend at journalistikken har en gullalder nettopp fordi informasjonen er mer tilgjengelig og enklere å distribuere. Med smarttelefonen i hånden har vi avisen, leksikonet og kanalen ut i én og samme ting. Hver og en av oss kan lese, vi kan lære, vi kan vurdere, og vi kan formidle det hele på sekunder. Pressefriheten har, som flere har vært inne på, også en økonomisk side. Det er få om noen bransjer som er så subsidiert som pressen i Norge: momsfritak, direkte støtte, NRK-lisens, distribusjonstillegg og andre støtteordninger. Disse har vi for å sikre mangfoldet og friheten. Vi må allikevel fremover vurdere alle disse ordningene, som langt på vei har vært ureviderte mens omverdenen har forandret seg radikalt. For like viktig som antallet milliarder vi fordeler til pressen i Norge, er måten pengene fordeles på i en ny digital hverdag. Dette er et politikkområde vi stadig må løfte blikket opp og frem på, ikke se bakover. Pressefriheten er, slik vi har innrettet oss, avhengig av ulike støtteordninger. Vi bør likevel vokte oss for at pressefrihet over tid ikke bare blir en offentlig oppgave. Det vil stride mot pressefrihetens

I store deler av Europa er situasjonen dessverre den motsatte av det den er her. Det er også en situasjon som til sjuende og sist kan komme til å påvirke oss selv. Som medlem av Stortingets europarådsdelegasjon er det naturlig for meg å reise denne problemstillinga, også i en debatt som først og fremst handler om norske forhold. forhold. Som medlem av Europarådet har vi påtatt oss visse forpliktelser til å bidra med det vi kan, til å fremme ytrings- og pressefrihet i alle Europarådets 47 medlemsland. Så sent som i januar i år vedtok Europarådet nok en resolusjon som tok for seg behovet for beskyttelse av pressefrihet og journalister i Europa. Og betegnende nok: De som stemte imot, representerte land som Tyrkia, Ungarn, Ukraina, Aserbajdsjan og Georgia. Bakteppet var angrepet på Charlie Hebdo, men resolusjonen gjaldt vel så mye drap og målrettede angrep på journalister i Ukraina, Aserbajdsjan, Serbia, Tyrkia og Georgia, og filmprodusenten Oleg Sentsov, som ble ført fra varetekt i Simferopol til Moskva, for der å bli anklaget for kriminelle handlinger, et velkjent knep i flere medlemsland, f.eks. i Aserbajdsjan, der journalister og menneskerettighetsforkjempere bringes til taushet i tur og orden, med fabrikkerte anklager, gjennom måneder i varetekt uten medisinsk tilsyn, uten kontakt med familien, hvis de da ikke har greid å flykte og søke asyl i et annet land, slik som Malahat Nasibova, som fikk Raftoprisen i 2009 for sitt uredde arbeid for menneskerettigheter. Det fikk dramatiske konsekvenser, først for hennes tre barn, så for henne og hennes mann. Nå er hele familien i Norge og ber oss, norske parlamentarikere, om å føre kampen deres videre gjennom vårt arbeid i Europarådet og OSSE. Å være journalist er et av de farligste yrkene som finnes. Derfor har Journalister uten grenser opprettet en nettportal der journalister som opplever seg truet, kan slå alarm. alarm. Bare de seks første ukene ble 49 varsler lagt ut. Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland har offentlig understreket at dette også kommer til å bli et viktig verktøy i Europarådets arbeid for å sikre etterlevelse av menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10, om pressefrihet og personlig sikkerhet for journalister. Den dekker også arbeidsforholdene for norske journalister, selv om vi kanskje ikke alltid tenker over det.

som grunnlag for at det går den gale veien. Vi kan glede oss over at Norge rangeres helt i toppen blant landene med størst pressefrihet, sammen med Nederland og Sverige. Men la oss ikke ta det som en selvfølge, det må vernes om. En fri og uavhengig presse er en viktig forutsetning for et levende demokrati og for å sikre grunnlaget for en åpen og informert samfunnsdebatt – uten en slik meningsbrytning forvitrer demokratiet men også som en vaktbikkje overfor myndigheter, både dem som velges, og dem som forsøker å bli valgt. En fri og uavhengig presse skal holde et vaktsomt øye med alle, som et ombud for sine lesere, seere og lyttere – et sted disse kan gå til om makta ter seg, som det heter. Derfor er støtte til utvikling av frie og uavhengige medier også en del av vår utviklingspolitikk. Kurs, konferanser og faglige verksteder for journalister og redaktører i samarbeidsland skal være med på å spre kunnskap, forståelse og holdninger. en del av vår utviklingspolitikk. Kurs, konferanser og faglige verksteder for journalister og redaktører i samarbeidsland skal være med på å spre kunnskap, forståelse og holdninger. Det er et viktig ledd i demokratibyggingen i vår utviklingspolitikk. Det er lett å synge høystemte sanger om den frie presses rolle og betydning. Men frihet fordrer også ansvar. Ikke alle mediehus lever opp til kravet. En presse som jager i flokk, er ikke noe Men udelt verre blir de skandalene vi har sett i enkelte andre land, med telefonavlytting, ingen respekt for privatliv, paparazzier i buskene og andre ting. Grove overtramp utløser reaksjoner. Hva kan vi gjøre for å gjenreise ansvarligheten i den frie presse? Slikt avføder gjerne kommisjoner og forslag, slik også i våre europeiske naboland. Hvem skal vokte vokterne? Problemstillingen er aktuell, ikke bare for de statlige vokterne ethvert samfunn holder seg med, av sikkerhetspolitiske grunner, indre som ytre. Rettsapparatet er selvsagt alltid til disposisjon, men en omfattende og grunnleggende ytringsfrihet i bunnen og i Grunnloven gjør grensedragningene ofte krevende og spissfindige. Også på dette området kan vi – heldigvis – gi en anvisning i Pressens Faglige Utvalg i Norge, altså la bukken passe havresekken. Så langt har det fungert vel. Men jeg trekker dette fram for å understreke at den frie og uavhengige presse bare kan fylle sin viktige og nødvendige rolle om den vokter seg for ikke å misbruke den makt den forvalter på vegne av sine lesere, lyttere og seere. På tampen av debatten vil jeg komme med noen korte kommentarer siden det

Med andre ord har Internett styrket folks mulighet – men også frihet – til å ytre seg. Det er utvilsomt en styrke for demokratiet. F.eks. har tjenesten Twitter vist oss at avstanden mellom folk og makten er blitt kortere fordi det har blitt enklere å komme i dialog med myndighetene. Men disse ytringsmulighetene har vi fått både på godt og vondt. På nett kan terskelen være lavere for å spre hatefulle ytringer enn i det virkelige livet. Vi kan derfor si at de økte mulighetene også har ført med seg økt ansvar. For å få sine ytringer formidlet til et stort publikum var man tidligere avhengig av å slippe gjennom nåløyet hos en redaktør. I dag kan hver enkelt være sin egen redaktør, og publikum vil i prinsippet være globalt. Dette mener jeg er en grunnleggende endring i måten å tenke på. Det vi i dag roper ut i begeistring eller frustrasjon, er ikke lenger bare tilgjengelig for de nærmeste rundt oss som har de samme kulturelle kodene og tolkningsrammer som oss selv, men potensielt for hele kloden. Det er nå fem år siden Medieansvarsutvalget la fram sin utredning om ansvarssystemet på medieområdet. medieområdet. Vi har fortsatt en bestemmelse om redaktøransvar som er begrenset til blader, tidsskrifter og kringkastingssendinger. Regjeringen har bevisst prioritert arbeidet med moms for avisene og produksjonstilskudd den senere tiden, men vi ønsker nå å legge til rette for modernisering og likebehandling også av plattformer, også innen redaktøransvaret. Derfor vil vi prioritere det framover. Hvordan vi helt konkret skal oppnå dette, må jeg få anledning til å komme tilbake til, men jeg synes det er viktig å nevne at det er en oppgave som er viktig for meg å jobbe med i tiden fremover. Jeg vil igjen benytte anledningen til å takke for en god debatt. Når en får muligheten til et ubegrenset antall innlegg, må en jo benytte den til å si litt mer. Jeg synes det

Kårstein Eidem Løvaas var inne på. Det medfører en stor frihet og samtidig et desto større ansvar, for den store friheten betyr at aldri har det vært enklere for så mange av oss å publisere, men aldri har det heller vært så stor risiko for å få ytringer på nett som ikke vil være i samsvar med det alminnelige redaktøransvaret som har vært gjeldende i norsk presse. Det er klart at det er en problemstilling som som har vært gjeldende i norsk presse. Det er klart at det er en problemstilling som flere har vært opptatt av, og som er svært viktig. Så skjønner jeg at jeg kanskje utfordrer salen litt, men dette er en initiativdebatt, og jeg synes det er litt sørgelig at ikke justiskomiteens medlemmer sitter her, for de har en sak til behandling nå som jeg synes er problematisk med hensyn til pressefriheten. Jeg synes det er problematisk at en skal forandre offentlighetsloven § 16 på en slik måte at mer blir hemmeligholdt, ikke bare i byrådet i Oslo, men også i byrådet i Bergen og i fylkeskommunene i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark, og det skal en gjøre fordi de har valgt en parlamentarisk styreform. Men det grunnleggende i kommunesektoren har jo vært en stor grad av åpenhet. En har også jobbet veldig mye med disse åpenhetsprinsippene i kommunesektoren, og det forslaget som nå ligger til behandling i Stortinget, går et skritt i stikk motsatt retning. Det kan dessverre føre til en fristelse for flere til å velge en organiseringsform som gir mindre åpenhet. Det synes jeg er en problemstilling som en er nødt til å ta alvorlig også i en debatt som denne – også sjøl om det stort sett bare er familie- og kulturkomiteens medlemmer som er her. Men det er en svært viktig sak som er til behandling i justiskomiteen, og jeg mener at Stortinget hadde gjort seg sjøl en stor tjeneste om vi i det minste hadde utsatt den saken og gitt den den omfattende og seriøse behandlingen som den fortjener, dvs. tilsvarende det som en trenger av høringer og behandling også i et regjeringsapparat før Stortinget skal ta stilling til den.

Så er det gjort et poeng av at det ikke akkurat er overbefolket i presselosjen. Det er vi vel ikke akkurat bortskjemt med at det er i så veldig mange debatter i denne sal heller, men det er vel et uttrykk for at det er travle tider og knapphet på ressurser også i denne bransjen, selv om det slett ikke er hvem som helst som er representert her i dag. Dette er et tema som er vidt, og som mange kan legge mye i. Det har jo også kommet betraktninger her som som viser at debatten om ytringsfrihet og pressefrihet er mangslungen og inneholder en lang rekke viktige momenter som det er viktig å diskutere. Det har alle i denne sal full frihet til å gjøre. Det ble bl.a. vist til et Dokument 8-forslag som nå ligger til behandling i justiskomiteen. Vi har også eksempler på andre saker som er foreslått, som vi skal få rikelig anledning til å diskutere i de rette fora, bl.a. forslag til endringer i ekomloven. Selv har jeg pekt på en del momenter som jeg mener det er viktig å jobbe med i tiden framover, bl.a. å ta til orde for en opprydning i Kommune-Norge når det gjelder håndteringen av offentlighetsloven, for vi ser mange aktører og journalister som strever med å få tilgang på informasjon som burde ha vært lett tilgjengelig for innbyggerne og for offentligheten. Så er statsbudsjettet kanskje den første – i hvert fall en veldig gyllen – anledning til å vise at de gode intensjonene i denne debatten blir videreført. Vi skal også følge svært nøye med på utviklingen i momssaken, som statsråden viste til. Så er statsbudsjettet kanskje den første – i hvert fall en veldig gyllen – anledning til å vise at de gode intensjonene i denne debatten blir videreført. Vi skal også følge svært nøye med på utviklingen i momssaken, som statsråden viste til. Det som kommer opp om nye publiseringsplattformer, er en interessant debatt. En stor del av dette store paradokset er at til tross for at ytringsfriheten kanskje aldri har stått sterkere, og at vi opplever en journalistisk gullalder, ser vi også at det er et betydelig press på ytringsfriheten blant behovet for det redigerte ord trer veldig tydelig fram. Denne debatten har vært en oppfordring fra Europarådets parlamentarikerforsamling, og oppfordringen derfra er at dette gjøres årlig. Vi får komme tilbake til hvordan dette eventuelt kan få en mer fast form, men jeg er i alle fall glad for det jeg opplever er en tverrpolitisk enighet om å ta et felles ansvar for å oppfylle intensjonen i Grunnloven § 100.

punkter som har vært nevnt, og som jeg tenkte det kunne være hyggelig å prøve å se litt positivt på. Det ene er at det at du og jeg publiserer oss selv – uavhengig av hvordan vi gjør det – kan være en utfordring for det gode, gammeldagse redaktørinstituttet. Ja, det kan det være, men det er også en positiv utfordring, fordi den siste UNESCO-rapporten som tar for seg dette, peker på at og «independent media», uavhengige medier, vokser som en følge av overgangen til det digitale – og det er positivt. Så var det også litt bekymring hos noen for at lokalavisen rundt omkring kan forsvinne, og det er klart at vi politikere blir litt lei oss da, for det er veldig enkelt med den lokalavisen akkurat der og da. Men den lokale debatten blir jo ikke borte, den fortsetter i de tradisjonelle arenaene som lag og foreninger, i styrket form, gjerne i kafeer og biblioteker, men også på Internett vil man kunne finne igjen den debatten. kildevernet, som er en veldig alvorlig bekymring, er det, som det er pekt på, utfordringer teknologisk, men samtidig åpner den teknologiske utviklingen også for muligheter, for man har mulighet for kryptering, noe som gjør at det å være kilde, overlevere informasjon til mediene, med riktige krypteringsløsninger kan gjøres enda tryggere enn man har kunnet i dag. Så det er mange positive ting med det. En trend som også rapporteres, er at kvalitetsjournalistikk er noe vi etterspør og noe vi er villig til å gi litt ekstra for. Så vi behøver ikke nødvendigvis å være så engstelige for at kvalitetsjournalistikken som sådan skal utvannes – trenden peker i retning av at akkurat den kommer til å overleve. Flere har ikke bedt om ordet til sak

President! Eg har aldri nemnt dette for nokon, så eg får nemne det for deg: Eg har alltid vore dårleg i lekser. Eg var ein av dei som eigentleg aldri gjorde leksene sine – eg gjorde alt arbeid på skulen. Det er inga stolt erfaring, men for meg var skuledagen rett og slett ferdig når eg kom heim frå skulen. Alt som handla om skulen etter at han var over, var ei belastning for meg. Dette veit vi er eit stort problem for mange andre elevar og for mange andre familiar. Dei seinare åra er det også gjort ganske betydeleg forsking på området. Korleis vil statsråden sørgje for at øvingsarbeidet i skulen blir organisert på ein måte som gir betre læring for alle elevar, og ikkje bidrar til å forsterke sosiale forskjellar? Det er kjernen i spørsmålet vi skal diskutere i denne vesle interpellasjonsdebatten. Å lære å lese, skrive eller rekne for første gong krev mykje øving. Fleire nyare studiar viser kor viktig øving er for læring. Ei forskargruppe ved NTNU i Trondheim publiserte for to år sidan ei undersøking som konkluderte med at medfødde evner er overvurderte når det gjeld mattelæring. Forskarane fann støtte for det såkalla spesifisitetsprinsippet, som seier at ein blir god i akkurat det ein trener på. Øvingsarbeidet er difor noko av det aller viktigaste som skjer i skulen. I dag er store delar av dette arbeidet likevel skyvde ut av skuletida og inn i heimen. Bruken av heimelekser er ikkje regulert av opplæringsloven, men det heiter seg at skulen berre skal gi lekser for at elevane kan øve seg på det dei har lært på skulen. Ei undersøking frå 2012 viste – i motsett retning – at ein av tre foreldre iblant kjem til kort når dei skal hjelpe barna med leksene. Leksene, kan vi konkludere med, fungerer altså ikkje slik som dei var meint å gjere. I tillegg veit vi at leksene forsterkar sosiale forskjellar i skulen. SSB-forskar Marte Rønning analyserte matematikk- og naturfagresultata til over 8 000 norske fjerdeklassingar. Resultatet viste at elevar som får gjer det litt betre på skulen, men at denne samanhengen ikkje gjeld for alle elevgrupper. Derimot gjer elevar med låg sosioøkonomisk bakgrunn som får mykje lekser, det dårlegare enn elevar med tilsvarande bakgrunn som får mindre lekser. Fleire andre studiar har liknande typar funn. Blant anna summerer John Hattie opp at lekser kan forsterke

stades. Det er også bakgrunnen for at SV føreslår at det blir sett av inntil éin time dagleg til øvingsarbeid i skulen, i det vi har kalla heildagsskulen, ein utvida skuledag. Ein positiv bieffekt av ei slik ordning er at familiane også blir kvitt leksestresset om kvelden og kan bruke tida etter skulen saman – til andre ting. SV ønskjer ikkje eit forbod mot men dei heimeleksene som blir gitt, må vere rein repetisjon av eller trening på noko eleven allereie kan, som lesetrening eller enkle førebuingar til neste skuledag. Vi har eksempel på skular i Noreg som har gjort dette. Digermulen skole i Lofoten har vore leksefri i 15 år, med veldig gode resultat. Også i nabofylket vårt, ved Solberg skole i Asker, har leiinga kutta ut skriftlege lekser og gir elevane berre leselekser. Vi veit også at det finst mange andre eksempel. Fleire Montessori-skular har innført liknande typar ordningar. I land der lærar og elevar bruker mykje tid i klasserommet, er effekten av heimelekser på skuleresultata størst. Ei mogleg forklaring på at lekser har svak samanheng med skuleresultata i enkelte land – som f.eks. Noreg – kan vere at lekser blir ein for det som skulle vore undervist i i fellesskap i klasserommet. Uavhengig av kva ein meiner om lekser, trengst det ein open og kunnskapsbasert debatt om korleis øvingsarbeidet bør organiserast for at alle elevar skal lære meir. Dagens organisering varierer veldig mykje frå skule til skule, og altfor mange elevar får ikkje godt nok utbytte av SV meiner hovudvekta av øvingsarbeidet bør flyttast frå heimane og inn i skuledagen. Dei som er imot dette, må kome med sitt svar. Kva må gjerast for at leksene skal verke læringsfremjande for alle? Difor er eg spent på å høyre om statsrådens tankar om dette. Eg meiner vi ikkje kan fortsetje som i dag.

Men spøk til side: Jeg tror utgangspunktet for denne debatten er litt forskjellig for regjeringspartiene og for SV. En av innfallsvinklene kom egentlig interpellanten med selv da han refererte til undersøkelsen som viste at lekser kan gi økte sosiale forskjeller, men han påpekte også at den studien viste at veldig mange elever lærer litt mer av å ha lekser. Men så er det noen elever som i utgangspunktet kanskje ikke er så sterke på skolen, som ikke lærer litt mer, og dermed blir forskjellene større. Så kan man ha en innfallsvinkel til det hvor man sier at da må man avskaffe leksene, sånn at alle de som lærer litt mer, ikke lærer litt mer, sånn at det blir mindre forskjeller. Eller man kan ha det andre utgangspunktet: Hvordan skal vi sikre at de som ikke lærer nok, og de som har et litt dårligere utgangspunkt, også får fullt ut nytte av det de lærer på skolen? Da er måten man gir lekser på, og hvordan lekser brukes, en viktig diskusjon. Men la meg starte litt før. Interpellanten nevner det ikke direkte, men under interpellasjonen ligger det egentlig også spørsmål om to viktige prinsipper i norsk skole. Det ene er at alt i norsk skole skal være tilpasset den enkelte elev. Det vil si at man har en plikt som skoleeier og som kommune og fylkeskommune til å sikre at undervisningen er tilpasset den enkelte elev. For det andre slår opplæringslovens formålsparagraf fast at skolen skal gi elevene utfordringer som fremmer lærelyst. Det betyr selvfølgelig ikke at skolen på alle områder skal være morsom for elevene. Da hadde vi feilet helt miserabelt, hvis det var målestokken vår. Men det betyr at målet for undervisningen og leksene er mer og bedre læring. Det er det som fremmer lærelyst – at man ikke bare skal lære ting, men at man også skal lære å lære, og man skal få lyst til å lære mer. Fra forskningen vet vi også noe om hva som er sentrale forutsetninger for god læring. Så må vi selvfølgelig her, som på de fleste områder når vi undersøker menneskelige fenomener, ta noen forbehold fordi forskningen hele tiden er i utvikling. Men det forskningen kan tyde på nå, er for det første at elevene må få delta aktivt og forstå målet og hensikten med de ulike aktivitetene – altså hvorfor man lærer noe. Elevene må få utfordringer. Man må altså ha høye ambisjoner på vegne av hver enkelt elev. Samtidig må de ikke bli utfordret så mye at de mister fotfestet. Det betyr at både undervisningen og leksene må være tilpasset elevenes ulike kunnskaper og erfaringer, og det må være et godt læringsmiljø som motiverer elevene – hvor det er lov å prøve, og hvor det er lov å feile. Denne bestillingen sier noe om hvorfor det er en formidabel jobb å være underviser – lærer. Vi skal selvfølgelig jobbe godt med fagene i skolen, og det betyr at man må øve på både ligninger og formler, analysere litteratur og drøfte historiske og politiske hendelser. Det er ingen, så vidt jeg har sett, som ikke mener at øving er en del av læring. Jeg har aldri hørt noen som påstår at hvis man skal bli god til å spille piano, behøver man egentlig ikke å bruke tid på å spille piano. Derimot er det en kjent sak i nesten alle områder av skolen at kvalitet er viktigere enn kvantitet. Slik er det selvfølgelig også med skolearbeid: Det er viktigere hvordan undervisningen er, og det er minst like viktig hvordan hjemmearbeidet legges opp, som at det er mye av det. Det er faktisk slik at hvis man har altfor mye hjemmearbeid, kan det virke mot sin hensikt. Men en del av øvingsarbeidet som skolene skal ha, kan man gi som lekser. Dermed er det avgjørende spørsmålet hva slags lekser som gis, hvor mye som gis, og hvordan de følges opp av læreren. For eksempel burde det ikke være for mye lekser, leksene burde ikke inneholde for mye nytt stoff som ikke er gjennomgått på skolen. Så kunne det vært fristende at vi fra Stortingets side – eller kanskje fra regjeringens eller Utdanningsdirektoratets side – lagde en detaljert beskrivelse av hvordan den perfekte leksen så ut, kanskje et rundskriv som vi sendte rundt til skolene med detaljerte forordninger for hvordan leksene skulle gis og ikke gis. Det er stikk i strid med den styringstradisjonen jeg mener vi burde basere oss på når det gjelder skolen. Det var Kristin Clemet som brukte slagordet «Skolen vet best», og så mener jeg også er tilfellet her. Opplæringsloven åpner helt riktig for at man også kan la være å ha øvingsarbeid hjemme hvis man synes det er fornuftig, og noen skoler har tatt den pedagogiske beslutningen, ofte i samarbeid med hjemmet, at det er noe de ønsker seg. Andre skoler mener at basert på deres gode, sunne vurdering er øvingsarbeid en naturlig del av skolehverdagen. Det avgjørende i begge tilfeller er at elevene lærer, og at de når de kompetansemålene som står i læreplanen. Det er det aller viktigste. Vi trenger en debatt om lekser, men jeg synes likevel at interpellantens spørsmål er litt malplassert, for spørsmålet burde ikke være hvordan departementet kan ta nasjonale eller sentrale initiativ til å gjøre noe med leksene eller finne ut hvordan man skal gjøre leksene på en best mulig måte. Det vi kan gjøre, er å styrke de overordnede rammene for skolen. Vi kan ha videreutdanning, mer lagbygging i skolen, vi kan lage nettverk som oppfordrer lærere til å dele gode ideer, vi kan i og for seg også ha manualer som viser hva som er god undervisningspraksis, for å spre det. Men selve diskusjonen om akkurat hvordan leksene skal legges opp på den enkelte skole, på den enkelte skole, i den enkelte klasse og for den enkelte elev, er en beslutning som jeg med trygghet overlater til sektoren selv. Ikke dermed sagt at det ikke skal være politisk diskusjon rundt det, men valget om hvordan man organiserer øvingsarbeidet, overlater jeg med stor sikkerhet til sektoren. SV har et ærlig, redelig og åpent forslag om at de ønsker å bruke de store pengene i Skole-Norge fremover på en heldagsskole. Det er greit, og det gir også et veldig klart og tydelig politisk valg. Fra regjeringens side, og fra Høyres og Fremskrittspartiets side, ønsker vi å bruke de store pengene på skolen – på innholdet, på fag, på lærere, på at undervisningen skal styrkes, og på at elevene skal lære mer – ikke på å styrke de tilbudene som er utenfor skolen, for å skape en lengre skoledag. Det kan godt hende at skoledagen også blir lengre, men da må det være fordi man fyller på med fag, med timer, med faglærte lærere,

dag. Eg vil takke statsråden for svaret. Det gav meg tid til å reflektere litt over om filosofar kanskje er spesielt dårlege på lekser. Det hadde eg aldri tenkt på før, så no får eg gå inn i tenkjeboksen. Statsvitarar er nok svært gode i lekser, det er vel bevist her i dag. At øving og læring heng nært saman, og at ein i for liten grad har sett øvingsarbeidet i samanheng med skulen, er premissen for interpellasjonsdebatten eg reiser. Forslaget vårt er at vi skal gje skulane tid til å kunne gjere dette på skolen. I dag er det i liten grad tid til å gjere dette på skulen, så når statsråden seier at det er dei overordna rammene vi må diskutere, diskutere, er det akkurat det eg inviterer til å diskutere her i dag. Vi må gje skulane rom – tid – til å gjennomføre øvingsarbeidet på skulen éin time per dag. Det treng ikkje vere på slutten av dagen. Det kan vere tidleg på dagen, eller ein kan spreie det utover dagen. Det kan vere opp til skulen, men dei må rett og slett få tid, dei må få menneskelege ressursar, i form av pedagogar, lærarar osv., til å drive eit ordentleg øvingsarbeid på i staden for at dette blir sendt heim til heimar som i ulik grad er i stand til å vere gode hjelparar med leksene til elevane. Difor er dette ein høgst relevant diskusjon for Stortinget. Det handlar ikkje om å seie korleis ein skal organisere dette arbeidet, men om å gje skulen moglegheit til å organisere det, slik at dei rett og slett får tid til å drive ordentleg øvingsarbeid på skulen. Eg synest ikkje statsråden tek det ordentleg på alvor at dette faktisk er ein reell diskusjon – spesielt ikkje når vi veit at øving og leksearbeid er så viktig for korleis elevane gjer det, anten det gjeld dei som fell ifrå, om dette har med sosioøkonomisk bakgrunn å gjere, eller at det er foreldre som ikkje er i stand til å hjelpe til. Skulen veit best – ja, det kunne ein sagt når ein valde å gå imot forslaget frå SV om å slutte å påleggje alle skular nasjonale prøver. Då kunne ein ha overlate til skulane å bestemme korleis testing og prøving, veging og måling i skulen skal gå føre seg. Det ønskjer vi skal overlatast til skulane, men statsråden ønskjer at det skal styrast av departementet med dei konsekvensane det har for undervisninga. Vi ønskjer å bruke dei store pengane på lærarar, noko som gjer at vi kan få ein betre skule. Viss ikkje det å satse på lærarar noko som gjer at vi kan få ein betre skule. Viss ikkje det å satse på lærarar er å satse på skulen, er vi nok på ulike planetar. Eg vil utfordre statsråden igjen: Er statsråden einig med meg i at korleis skulen organiserer øving, også er eit politisk spørsmål og ikkje noko som berre skal overlatast til skulane åleine? I siste instans er jo hele skolen og

styre? Jeg mener at formen på øvingsarbeid og hvordan man gjør det, er noe vi overlater til fagfolk. Det betyr ikke at vi ikke skal ha meninger om eller spre ideer om hvordan det kan gjøres på en best mulig måte, eller ha forventninger til at skolene f.eks. som profesjonsfellesskap setter seg inn i forskning om hvordan leksene fungerer, og så handler ut fra det forskningen viser, men det betyr at det er en avgjørelse vi kan overlate til skolene. Men så mener jeg også at vi har et ansvar som politikere for å ha klare forventninger til hva skolene skal bidra til, og der er de nasjonale prøvene viktige. Så tror jeg ikke jeg skal bruke mer tid på den diskusjonen, all den tid alle partiene på Stortinget, unntatt SV, er for at vi skal ha nasjonale prøver, og SV var vel også for det de åtte årene de satt og styrte Kunnskapsdepartementet. Men jeg har lyst til å si to ting. Det ene er at jeg er enig med interpellanten i at det er forbedringsrom her. For eksempel ser vi på en av de mange internasjonale undersøkelsene vi har fra OECD, at det finnes gode og dårlige måter å gi lekser på. I 2010 publiserte SSB en analyse som viste at elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn som får mye lekser, presterer dårligere enn elever med tilsvarende bakgrunn som får mindre lekser. Da kan man stille spørsmålet: Hva slags praksis er det som følger med leksene? Er det slik at man gir lekser istedenfor å forklare ting i klasserommet? Er det slik at lærerne i mindre grad i Norge følger opp leksene etterpå, og i så fall at man da ikke får det læringsutbyttet man trenger? Alt det er ting som profesjonen må reflektere over, og som vi burde bidra til å spre gode eksempler på. Men så det andre poenget: Representanten Fylkesnes sier at vi må legge dette inn i skolen. Hvis man antar at SVs forslag er at vi skal ha én leksehjelptime hver dag – jeg antar at SV ikke vil at det skal være med ufaglærte assistenter, men med faglærte lærere, og vi trenger ikke å diskutere prislappen her nå men med faglærte lærere, og vi trenger ikke å diskutere prislappen her nå – antar jeg også at for at man skal få fullt læringsutbytte, burde man ha en norsklærer når man gjør norskleksene sine, en matematikklærer når man gjør matematikkleksene sine, og en med fordypning i kunst og håndverk når man gjør leksene i kunst og håndverk. Da ville jeg isteden ha tenkt slik at hvis man først skal bruke penger på en ekstra time, og man trenger en norsklærer der – ja, lag en ekstra norsktime da! Så kan vi heller beholde leksene på toppen og gi dem på riktig måte. Da får elevene enda litt mer øving, og så kan de lære enda litt mer på skolen. Problemet mitt med SVs politikk er at det i realiteten i denne sammenheng ikke dreier seg om et forsøk på å diskutere leksene i forskjellige avskygninger og med forskjellige innfallsvinkler. SV er egentlig ikke for lekser, og det er en helt ærlig sak. Jeg er for lekser, men mener at skolene skal få lov til å velge det bort hvis de vil. Jeg vil også gjerne takke interpellanten for å løfte en viktig debatt, en debatt som for så vidt har blitt løftet i flere fora, og hvis de vil. Jeg vil også gjerne takke interpellanten for å løfte en viktig debatt, en debatt som for så vidt har blitt løftet i flere fora, og som jeg opplever også er en ganske interessant invitasjon til å diskutere hva som skaper læring, og hva slags satsinger vi ønsker. Det er en viktig debatt i denne forsamlingen, og det er en debatt jeg ønsker velkommen. Så vet vi ut fra forskning, som interpellanten også selv viser til, at vi ut fra forskning, som interpellanten også selv viser til, at med all sannsynlighet – og ifølge de aller fleste forskningsrapporter – lærer elever mer av å ha lekser enn av ikke å ha lekser. Representanten viste selv til forskeren John Hattie. Nå har jeg vært i noen debatter med interpellanten før om forskeren John Hattie hvor han har vist til at man ikke bare skal høre på forskeren John Hattie, men i denne saken også påviser John Hattie særlig at de elevene som er eldst på skolen, de elevene som er eldst på skolen, lærer av å ha lekser. Jeg synes det ville være veldig rart om vi i norsk skole skulle fjerne et virkemiddel som elevene lærte av. Interpellanten viste i sitt innlegg til at en del elever dropper ut av skolen. Vel, jeg vil våge den påstand at ingen elever har droppet ut av skolen fordi andre har gjort det bra på skolen.

paradoksalt, og som vi vet gjelder innen norsk skole – og det gjelder ikke bare innen norsk skole, det gjelder mange skoler, men det gjelder faktisk særlig i Norge – er at foreldrenes bakgrunn og utdanningsnivå spiller inn med hensyn til hvordan deres barn presterer på skolen. Det er selvfølgelig også fordi i en skole som kanskje behandler elevene for likt, vil det som skjer når du kommer hjem fra skolen, være det som avgjør hvor godt du presterer. presterer. Min påstand er at hvis interpellanten fikk viljen sin, at man fjernet leksene, og de barna kom hjem uten lekser, ville ikke foreldre med høy utdanning og veldig høye ambisjoner på vegne av sine barn sluttet å henge på sine barn. De ville fortsatt blitt presset til å lese mer hjemme og lære mer hjemme. Jeg mener ikke at det er et problem, men jeg mener bare at det eneste du oppnår med å fjerne leksene da, antagelig er å øke avstanden ytterligere, fordi det fortsatt vil være viktig hva som skjer når du kommer hjem. Så vet vi også hvor viktig det er at det er et godt bånd mellom skole og hjem. er et veldig viktig bånd, simpelthen fordi det betyr at foreldrene vil være oppdatert på hvor barna er i pensum, og det vil være et veldig viktig virkemiddel for læreren for å holde kontakt med foreldrene, ikke bare om hvordan det går med elevene rent sosialt, men også faglig. Jeg tror det er et viktig virkemiddel. Som også mange lærere og foreldre sier til oss, de ønsker en tettere kontakt mellom skole og hjem enn vi har i dag. Da er det veldig dumt å fjerne det viktigste båndet mellom skole og hjem. Til slutt må jeg bare så vidt komme innom det som Til slutt må jeg bare så vidt komme innom det som interpellanten var inne på, nemlig at de ønsket å fjerne de nasjonale prøvene og i stedet la skolene selv bestemme dette. Vel, det er jo ikke helt riktig, fordi man foreslo at de kun skulle tillates å innføre kartleggingsprøver dersom lærerne var enig. Dermed vil man frata skoleeierne, skolelederne og foreldrene et veldig viktig verktøy, uten at det kommer noen nye. Helt til slutt er det verdt å minne om at lekser heller ikke i dag er pålagt. pålagt. Jeg tror at det er en grunn til at veldig mange pedagoger, lærere, skoleledere, skoleeiere og foreldre er tilhengere av lekser. Det er at det er et verktøy man bruker for å skape læring – det hjelper flere elever til å lære mer – og det er et viktig bånd mellom skole og hjem. Representanten Knag Fylkesnes berører et viktig område i sin interpellasjon. Fremskrittspartiet mener ikke at det finnes noen enkel løsning på disse utfordringene. Det er ikke

fører til den store forskjellen om hvorvidt vi klarer å løfte norsk skole og norsk utdanning, eller ikke. Så enkelt er det dessverre ikke. Sosiale forskjeller eksisterer og vil alltid eksistere. Foreldre er ulike og barn er ulike. Det egalitære Norge med gratis enhetsskole reproduserer dessverre sosiale forskjeller like effektivt som mer utpregede klassesamfunn som USA og England. Forsker Marte Rønning, som også interpellanten var inne på, har de siste årene gjort flere undersøkelser om effekten av har de siste årene gjort flere undersøkelser om effekten av lekser Norge og i Europa. Hennes konklusjon er at lekser har en liten, men positiv effekt på skoleresultatene. Men effekten er negativ for elever fra ressurssvake hjem. Forklaringen kan være at lekser noen ganger blir gitt som substitutt for noe man egentlig skulle ha lært i klasserommet. Da er ikke lekser mye verdt for mange elever. Skoleflinke elever evner å konsentrere seg og ta ansvar for leksene sine selv. De har lært å styre litt av sin egen tid, og det er positivt. Selv norske barn må kunne lære seg å arbeide selvstendig, og at ikke alt skal være lek og moro hele tiden. Dessuten er øving sunt og gir mestringsfølelse, som mange barn setter pris på. Så er det et faktum at en viss andel barn ikke er like og har foreldre som overhodet ikke makter, evner eller er motivert til å følge opp elevene på samme måte som andre. Men å avvikle leksene utelukkende av hensyn til denne gruppen, er å skjære veldig mange elever over én kam. Lekser bør beholdes av hensyn til det store flertallet som har nytte av nettopp lekser. Vi kommer ikke unna det faktum at norske elever fremdeles er middelmådige i avgjørende fag som matematikk, lesing og naturfag. For et land som mer og mer må livnære seg på kunnskap, er ikke dette til å leve med. Norske elever må bli bedre – og det blir de – bl.a. gjennom selvstendige øvinger og repetisjoner, nemlig lekser. En annen viktig fordel med lekser, som også representanten Asheim var inne på, er at det er et godt verktøy for kontakt Foreldrene kommer i direkte kontakt med barnas skolearbeid og får bedre grunnlag og mulighet til dialog med både barn og lærer. Mens en vanlig arbeidsuke på barneskolen i 1987 var på 15,8 timer, skal dagens barn sitte bak pulten i 19,7 I samme periode er også barnas ferie kuttet med en uke. I tillegg begynner de, som kjent, ett år tidligere på skolen enn hva man gjorde i 1987. Med dette i mente mener vi at utvidete skoledager og tvungen leksehjelp utover vanlig skoletid ikke er veien å gå for skoletrøtte elever. Isteden må den tiden elevene er på skolen, utnyttes bedre, og ressursene må utnyttes sånn at elevene får tilpasset undervisning, som de har krav på etter opplæringsloven. Kvalitet er viktigere enn kvantitet. Her må innsatsen for dem som sliter mest, settes inn. Med kvalitetstid i skolen vil også de elevene som sliter med skolearbeidet, få bedret sin læresituasjon, og de vil kunne ha nytte av repetisjon i form av lekser, gitt at disse blir gitt i form av repetisjon og ikke som nytt stoff.

Altså: Viss det er slik at det finst foreldre som har lyst til å øve litt ekstra heime, så vil ikkje SV kome heim til dei og banke på døra og seie: «No må du halde opp!» Det skal dei få lov til å gjere så mykje dei vil. Du kan øve så mykje du vil, når du vil, kor du vil. Det det er snakk om her, er den obligatoriske øvinga. Ho meiner vi bør i hovudsak skje på skulen, slik at det er ein annan type øvingsarbeid som kan gjerast heime, som f.eks. lesing og den typen oppgåver.

Når du som forelder ikkje klarer å hjelpe di eiga dotter eller din eigen son med lekser, då har ein – for å seie det forsiktig – eit ganske dårleg forhold mellom skule og heim. Lat oss vere heilt ærlege i denne diskusjonen: Øvingsarbeid med pedagogar på skulen er betre enn alt øvingsarbeid heime med foreldre. Det er akkurat som om nokon latar som om det faktisk er betre å drive øving i skulearbeid heime – det å drive øving i skulearbeid heime – det kan ein nesten høyre under debatten i enkelte innlegg. Det meiner eg er ein kamuflasje for at ein ikkje ønskjer å prioritere dette. Når det kjem til stykket, er dette eit spørsmål om prioritering: Er ein villig til å bruke pengar på dette området av skulearbeidet? Er ein villig til å bruke pengar på fleire lærarar, slik at ein kan ha ein lengre skuledag? Openbert vil det ha mykje å seie for dei aller beste, for dei som har utfordringar

fagfolk – så hadde vi hatt minst 30 minutt fysisk aktivitet osv., osv. Dette er ein rein prioriteringsdebatt. Det var dette med «løgn, forbasket løgn og statistikk», som man ofte snakker om. Jeg synes interpellanten kanskje må være litt mer varsom med statistikken, for interpellanten skriver at «en undersøkelse fra 2012 viste imidlertid at en av tre foreldre iblant kommer til kort når de skal hjelpe barna med leksene». La meg si det sånn: Det kan være et stort problem, eller det kan være et ganske lite problem. Sannsynligvis er det et stort problem for færre enn én av tre foreldre. Det kan være et lite problem fordi: Det er mulig det bare er meg, men at man ikke kan alt gjennom hele grunnskolepensum eller videregåendepensum så godt at man kan hjelpe barna sine med enhver lekse, og at man iblant kommer til kort – det tror jeg vel de fleste vil komme til å oppleve den dagen man får barn. vil jeg tro. Så kan det være et stort problem hvis det er slik at alle skoler i Norge gir lekser som forutsetter at foreldrene skal hjelpe. Det er kanskje det interpellanten også forsøker å komme inn på, nemlig at hvis man gir lekser på en måte som forutsetter at barna skal lære seg nytt stoff hjemme, og dermed er avhengig av hvem foreldrene deres er, og hvilke ferdigheter de har på det fagområdet man skal forsøke å tilegne seg kunnskap om, da har man et problem. Og det er også da en dårlig måte å gi lekser på. Jeg har ingen problemer med å slutte meg hundre prosent til det interpellanten sier om at det selvfølgelig er bedre å ha en time med øving – eller skole, som det også heter – med faglærte pedagoger enn å ha det med ikke-faglærte foreldre.

Det jeg ikke forstår helt med SVs prioritering, er at når man egentlig snakker om en ekstra time matematikk, norsk, kunst og håndverk eller noe slikt i skolen, hvorfor er man ikke først og fremst opptatt av å få en ekstra time med fag i skolen, med faglærte lærere, og så diskutere – på toppen – hvordan man skal gjøre leksene. Det mener jeg er den fornuftige måten å utvide skoledagen på, å se på: Hva er det barna trenger? Er det slik at en ekstra time vil gi mer læring? I så fall mener jeg at det er noe vi må diskutere, og da vil jeg prioritere det høyere enn mange andre ting som ikke handler om kjernen i skoledagen. Jeg vil også, helt til slutt, si at hvis vi skal bryte den onde sirkelen, som handler om at skolen i altfor stor grad er avhengig av hvem foreldrene dine er, så er vi avhengig av å gå litt dypere enn bare å si at vi skal la dem som øver, øve, og de som ikke øver, øver ikke, for nettopp der ligger noe av kjernen. Tusen takk for en veldig spennende diskusjon, selv om jeg er enig i at for få deltok.
Da er debatten i sak nr. 6 avsluttet. Presidenten vil foreslå at sakene nr. 7–10 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Sakene gjelder andre gangs behandling av lovsaker. Ingen har bedt om ordet til disse sakene. Da er Stortinget klar til å gå til votering.
debatt som for så

han